står nemlig i innstillingen, men bare konstatere at Norge taper i konkurransen om å redusere antallet trafikkdrepte. Det er selvsagt veldig alvorlig. Venstre mener, og har alltid ment, at det viktigste vi kan drive med innenfor samferdselssektoren, er nettopp trafikksikkerhet. Derfor er Venstre med på dette forslaget. Venstre mener derfor at tiden er overmoden for en skikkelig satsing på trafikksikkerhet i Norge. Forskning forteller oss at i tillegg til overholdelse av fartsgrensen, økte politikontroller og sikrere biler er flere mil med midtdelere på vei en del av oppskriften, men utbyggingen går tregt. Jeg synes det er trist at regjeringspartiene ikke er mer offensive og utålmodige og ikke stemmer for dette litt ufarlige forslaget en handlingsplan om trafikksikkerhet. Representanten Toppe kunne fått med sitt engasjement fra forrige innlegg i en slik handlingsplan, men hun velger rett og slett ikke å gjøre det. Lat meg seia aller fyrst at eg er veldig glad for alt engasjement som er for å auka trafikktryggleiken, men eg trur vi må ha klart for oss at det trengst ein kombinasjon av fleire tiltak i høve til både og den enkelte føraren. Regjeringa sitt arbeid med trafikktryggleik er godt politisk forankra. St.meld. nr. 16 for 2008–2009, Nasjonal transportplan 2010–2019, inneheld både konkrete tal på investeringar innanfor trafikktryggleik og oversikt over kva område ein ynskjer å satsa på i åra framover. Regjeringa har dobla investeringane til trafikktryggleik i høve til kva som var planlagt i førre Nasjonal transportplan, I dagens plan legg vi opp til å investera 2,6 mrd. kr over dei fire fyrste åra. Halvvegs ut i perioden har vi brukt om lag halvparten av desse midlane – 1 293 mill. kr. I tillegg kjem rassikring, meir firefelts veg, mykje vedlikehald og fornying. Noreg har framleis dei nest beste ulukkestala i Norden. Det er Sverige som har færre drepne enn oss i høve til talet på innbyggjarar. Etter kvart som ulukkestala går ned, vil det vera vanskelegare å finna enkle trafikktryggleikstiltak som gjer store utslag på statistikken. Difor vil land som har fleire drepne og hardt skadde enn oss, med enkle middel oppnå imponerande reduksjonar i ulukkestala. Det er difor til stor inspirasjon å sjå korleis Sveige har redusert sine dødstal dei siste åra. Sverige har kombinert tiltak mot farleg framferd med tiltak mot vegen – det er nettopp kombinasjonen. Dei har tredobla kontrollane dei siste ti åra. Samtidig har dei sett ned fartsgrensa på over 15 000 km veg, dette fordi fart drep. Vi veit at ein reduksjon på 3 km/t kan redusera risikoen for har vi valt å følgja Sverige sitt eksempel. Politiet auka i fjor sine kontrollar av førarar og køyretøy med om lag 11 pst. Samstundes er kontrollane meir målretta utført, ved at politiet er til stades på tider og stader der ein veit at faren for ulukker er størst. Eg har opna for automatisk måling av gjennomsnittsfart på 40 nye vegstrekningar dei komande tre åra. Statens vegvesen har vidare utarbeidd nye kriterium for fastsetjing av fartsgrenser utanfor tettbygde strøk. Som ei følgje av dette vil fartsgrensa bli sett ned på nærmare 500 km veg. Det er tiltak som inngår i Nasjonal tiltaksplan for trafikktryggleik på veg, og dermed eit resultat av dei prioriteringane som er gjorde i Nasjonal transportplan. Dei er kanskje ikkje alltid like populære, men dei liv. Samtidig held vi fram med investeringane i møtefrie vegar. I Sverige har dei i dag bygd ut 4 000 km møtefri veg. Ifølgje Nasjonal tiltaksplan for trafikktryggleik på veg vil vi om tre år ha 750 km møtefrie vegar i Noreg i tillegg til 365 km riksveg med forsterka midtoppmerking. Årsakene til at det tek lengre tid i Noreg er vel kjende – det har vi snakka om i Stortinget mange gonger. Midtrekkverk kostar om lag ti gonger meir i Noreg enn i Sverige, og er òg mange stader langt vanskelegare å gjennomføra reint praktisk. Lat meg understreka når det gjeld midtrekkverk etter nye kriterium: Den problemstillinga har eg teke tak i, og bedt Vegdirektoratet sjå nærmare på bruken av dette trafikktryggleikstiltaket. Vegdirektoratet er bedt om å gjera ei vurdering av om årsdøgertrafikkgrensa for midtrekkverk på ny veg bør senkast frå kravet i dag på 8 000. Eg har òg bedt om ei vurdering av å opna for større fleksibilitet for når det skal setjast opp midtrekkverk på eksisterande veg. Fristen for tilbakemelding frå Vegdirektoratet er 1. juni i år. For meg er det viktig med ei offensiv haldning til arbeidet med trafikktryggleik. Vi må byggja på kunnskap. Den har vi. Det er det som må leggjast til grunn for den handlingsplanen for trafikktryggleik som vi følgjer i dag. Eg ser derfor ikkje behov for ein ytterlegare plan. Eg vil bruka ressursane på å som allereie er planlagd, som er basert på forsking og erfaringar, og som vi ser verkar. Det blir replikkordskifte. Jeg har lyst til å fortsette med det replikkordskifte. Jeg har lyst til å fortsette med det jeg utfordret statsråden på i stad, som statsråden ikke svarte på. Vi opplever nå til stadighet, Havarikommisjonen og andre, at vi ser at veiens beskaffenhet er skyld i at ulykkene skjer. Vi kunne spart flere menneskeliv hvert år hvis veistandarden hadde vært akseptabel. registrerer også at statsråden er veldig opptatt av å komme med alle eksemplene på bilisters feil som gjør at ulykkene skjer. Men jeg har lyst til å utfordre statsråden, og forventer å få et klart svar: Vil statsråden nå også begynne å ta ansvaret for det dårlige veinettet som folk kjører på, og som vi ser konsekvenser av til stadighet, eller skal statsråden fortsette å skylde på alle andre og si at det er bilistenes feil, når vi vet at ny motorvei reduserer antall ulykker drastisk? Nordre Vestfold er et av de beste eksemplene. Siden 2001 har det bare vært én dødsulykke der. Eg synest faktisk det er ganske oppsiktsvekkjande at representanten Bård Hoksrud den eine gongen etter den andre står her og seier at eg ikkje tek ansvar for vegen. Det er feil. Eg tek i høgaste grad ansvar både for vedlikehald og fornying og for bygging av ny veg etter den nasjonale transportplanen som er vedteken i Stortinget. Eg har attpåtil bedt Statens vegvesen om å rekna ut kor mykje pengar dei treng i år for å stoppa forfallet. Dei har fått dei pengane, og dei seier sjølve at det er fyrste gongen dei har fått dei midlane dei treng for å stoppa forfallet. Eg har gjentekne gonger understreka at det er

anvendes. Det er vi selvfølgelig ikke uenig i. Men vi har fulgt ganske godt med. I regjeringens egen plan har man altså skissert godt og vel 850 mill. kr til trafikksikring per år, men ligger allerede nå 500 mill. bak det. Da skjønner jeg at man ikke kan bygge dyre midtdelere. Men vi i Høyre har i

nye vegar etter ei målsetjing som er skissert opp i Nasjonal transportplan, og som blir følgd. Der er det slik at det er varsla ei opptrapping 2010 til 2013. Den har vi òg følgt. Når det gjeld trafikktryggleik og midlane der, er vi no halvvegs ute i perioden. Representanten Kjersti Toppe kritiserte opposisjonen og Kristeleg Folkeparti for å snakke for lite om alkohol. Det Det er ikkje kvar dag Kristeleg Folkeparti blir skulda for det. Men eg synest det var eit flott engasjement ho viste. Kristeleg Folkeparti har òg vore oppteke av at me skal følgje etter Sverige når det gjeld for eksempel dette med alkolås. Eg har registrert at statsråden jo har – veldig gledeleg, synest eg – gitt bilistar som har kjørt med promille, eit alternativ, når det gjeld moglegheit for alkolås. Det trur eg er ein riktig veg for å kome tilbake på ein god måte. Men det finst jo òg andre moglegheiter, bl.a. alkolås i alle bussar. Det er ein veg som no blir vurdert. Med bakgrunn i partikollega Toppes tydelege utfordring har eg lyst til å utfordre statsråden: Er alkolås i bussar noko som statsråden vurderer? Eg har fyrst lyst til å seia at eg skal ta Kristeleg Folkeparti i forsvar høve til Kjersti Toppe, fordi Kristeleg Folkeparti, i motsetjing til Framstegspartiet og Høgre, er ein viktig medspelar for regjeringa for å få på plass tiltak som gjeld nulltoleranse for rus og bilkøyring. Eg trur Kjersti Toppe er klar over det, men lat det for ordens skuld vera sagt her. Statens vegvesen vurderer

Er dette noe samferdselsministeren støtter? Borghild Tenden minner oss på noko som er veldig viktig å ha klart for seg. Det er at årsakene til trafikkulukker er samansette. Då må òg tiltaka vera samansette. Ho minner oss òg på biltettleik som Eg må berre seia at eg har hatt ein stor opptur som samferdselsminister dei siste vekene, nettopp fordi ulike parti no i tur og orden har vedteke satsing på kollektivtrafikk. Det er i samsvar med etatsframlegget i retningsline 1 i neste nasjonale transportplan, som vi skal drøfta våren 2013,

Han gjentek noko eg òg har sagt. Det er mange dårlege vegar, det er store etterslep, det er svære behov framover. Det kjem meir pengar år for år, slik er det. Det er meir pengar i 2011 enn det var i 2010. Det vil koma endå meir pengar i 2012. Vi skal leggja fram ei ny stortingmelding, ein ny nasjonal transportplan, våren 2013. Då vil det bli ytterlegare opptrapping til samferdsel – ingen tvil om det. Så er det jo ikkje slik at vi ikkje har sett eit einaste krav til veg, Sortevik veit betre. Det er vegnormalar som vegane skal byggjast etter, og det er krav til

Men vi lar oss ikke lure. Vi vet at sikre, moderne veier er det aller beste for å hindre ulykker. Samferdselsministeren synes å mene at det er bedre med god opplæring av sjåfører og nedsatte fartsgrenser. Men man kan ikke løse store trafikale problemer på denne måten. Jeg er enig i at man i tillegg til å bygge gode veier, i tillegg til å bygge midtdelere der det trengs, i tillegg til å bygge brede veiskuldre, i tillegg til å bruke de fysiske trafikksikringstiltakene som finnes på markedet, også må ha god opplæring av sjåfører. Men man kan ikke bytte ut det å bygge trafikksikringstiltak med et par timers ekstra undervisning av sjåfører. Det hjelper lite at en selv kjører pent, hvis andre ikke gjør det. Da trenger man fysiske trafikksikringstiltak. Jeg er lei av å høre at den rød-grønne regjeringen med samferdselsministeren i spissen prøver å gi bilister som kjører på de dårlige veiene våre etter de trafikkreglene som finnes, skyldfølelse. Det blir gjort fordi de tror at befolkningen ikke skjønner at regjeringen gjør dette bare for å slippe å bruke de pengene bilistene selv betaler inn i bilrelaterte avgifter. Men så nautete er vi ikke. Vi trenger en oversikt over ulykkesutsatte veier, vi trenger å gjøre tiltak på disse veiene, vi trenger en finansieringsplan for trafikksikringstiltak, og vi trenger å ansvarliggjøre veiholder og veietat når de dårlige veiene er skyld i ulykkene. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i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

som alle andre næringsdrivende, og som er frustrert over kollegaer som ødelegger for de seriøse og setter bransjen i et svært dårlig lys. Det har derfor vært etterlyst at man må få på plass lover og regler og gi myndighet til dem som tildeler løyvene, slik at de skal kunne ta ut de kriminelle løyvehaverne. Men dette har vist seg å være vanskelig; det har vært vanskelig å få til for fylkene og for Oslo kommune. Det har derfor for forslagsstillerne vært viktig å få på plass et nytt regelverk som gjør det enklere å inndra løyvet fra dem som driver sin virksomhet på kant med loven. Som alle vet, er taxinæringen veldig forskjellig fra de aller fleste bransjene i Norge. Det er fordi denne bransjen er regulert på en helt annen måte enn de aller fleste andre. Det finnes heldigvis ingen offentlig instans som regulerer antall klesbutikker. Det finnes heller ingen instans som bestemmer hvor mange restauranter det skal være. Og det er heller ikke noe tak for hvor mange IT-bedrifter det skal være i dette landet. Innenfor taxinæringen er det imidlertid slik at det offentlige bestemmer hvor stor bransjen skal være det vil jo egentlig si en merkelig form for planøkonomi. Et eksempel på hvor absurd denne reguleringen er, finner vi i merknadene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, der de rakker ned på taxitilbudet i Oslo gjennom å hevde at det er såkalt «overkapasitet». Jeg kan ikke forstå annet enn at dette betyr at det er mulig for folk flest å skaffe seg taxi uten lang ventetid, og at dette oppleves som positivt for kundene. Dagens detaljregulering skaper ikke bare store problemer for bransjen selv, men også for men også for de fylkene og kommunene som skal forvalte regelverket. Det som representantforslaget, Dokument 8:77 for 2010–2011, egentlig handler om, er å gi taxinæringen rammebetingelser som er litt mer like de rammebetingelsene som resten av næringslivet i Norge har. Dette burde egentlig vært helt ukontroversielt, for man har gradvis gått bort fra detaljreguleringer innen de aller fleste andre bransjer, kanskje bortsett fra innen landbruket.

helt ordnede og lovlige former og med rammebetingelser som enhver annen bedrift som etablerer seg, får. Konsekvensen av forslaget er at bransjen raskt vil kunne kvitte seg med sjåfører med en kriminell løpebane, eller andre personer som er med på å gi bransjen et dårlig rykte. En organisering der drosjesentralene fungerer som helt vanlige bedrifter, vil det sannsynligvis være lettest å få til i de store byene. Poenget er derfor ikke å tildele alle løyver på denne måten, men at man i hvert fall åpner regelverket for tildeling direkte til sentralene, slik at det kan realiseres i landets største byer. I innstillingen har Fremskrittspartiet og Høyre også felles merknader om et annet tema som jeg mener er veldig viktig, nemlig at forbrukerne skal kunne bruke sin forbrukermakt til å sammenligne prisene mellom drosjer og ulike drosjesentraler. Det betyr bl.a. at det skal være synlig prisinformasjon i bil og på holdeplasser. Taxikundene skal kunne være sikre på at sjåføren i bilen faktisk er riktig sjåfør.

Vi er også fornøyde med at Norges Taxiforbund arbeider hardt for å rydde opp i noen forhold i bransjen, samtidig som de har vært tydelige overfor oss politikere på hvilke grep man trenger å gjøre med hensyn til lov og forskrifter. Det viktigste for oss i Arbeiderpartiet er at publikum skal ha et trygt og godt taxitilbud og trygghet for arbeidsplassene i næringen. Det er derfor grunn til å stille noen spørsmål ved Høyres og Fremskrittspartiets konkurranse- og dereguleringsiver overfor denne bransjen. Er det slik at hvis en fjerner løyvesystemet – slik Høyre og Fremskrittspartiet foreslår i Oslo, og som Fremskrittspartiet og for så vidt også Høyre foreslår her – blir det et bedre tilbud til forbrukerne, det blir bedre kvalitet, det blir billigere, kvalitet, det blir billigere, det blir bedre lønnsforhold for sjåførene, og det blir bedre lønnsomhet i bransjen? Nei, her bommer Høyre og Fremskrittspartiet grovt. Dette er rett og slett en bevisst politikk for å bygge ned kvaliteten på disse tjenestene og sørge for lavere lønninger. Synes virkelig Høyre og Fremskrittspartiet at drosjesjåførene tjener for mye og jobber for lite? Det kan virke slik når de foreslår frislipp og deregulering. Vi i Arbeiderpartiet vil sammen med SV og Senterpartiet sørge for å fortsette den gode dialogen med næringen og sørge for at kvaliteten på tjenesten forblir god, og at en skal legge til rette for at en skal ha en lønn å leve av. Derfor tar vi en gjennomgang av aktuelt lovverk og forskrifter samt at vi også ser på utfordringer knyttet til bl.a. helsetransport, som er en stor del av inntektsgrunnlaget. Vi kan ikke se noen gode grunner til å støtte en ytterligere deregulering av taxinæringen og stiller oss undrende til at Høyre og Fremskrittspartiet ikke tar virkeligheten inn over seg, men er opptatt av deregulering, uansett hvilke konsekvenser det måtte føre til. I så måte er denne saken et godt eksempel på forskjellen mellom rød-grønn og blå politikk. Vi velger å sette hensynet til forbrukerne og de som arbeider innenfor næringen, i sentrum, mens Høyre og Fremskrittspartiet tydeligvis har helt andre prioriteringer. Jeg tar til slutt opp forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Representanten Freddy de Ruiter har tatt opp

definisjon i Oslo enn mange andre stader i dette landet. Ein drosjekø i Oslo kan like så godt vera ein kø der det er bilar i kø for å frakta folk, i motsetnad til slik som ein vanlegvis definerer uttrykket: Ein drosjekø er folk som ventar på å få bestilt seg ein bil. I distriktet vil ei deregulering kunna føra til at drosjetilbodet kan falla bort i område med spreidd busetnad. Eg ser ikkje grunn til å deregulera næringa. Eg vil heller sjå på ei meir differensiert regulering. Irregulære forhold har i hovudsak vore knytte til løyve. Lat meg minna om ting som er gjort. Med heimel i folketrygdlova har Nav frå januar 2009 rett til å henta inn opplysningar direkte, bl.a. frå drosjesentralar, for å kontrollera inntekt mot personar som er trygda. Frå 1. januar 2010 er det sett i verk krav til taksameter. Eit lokalt kontrollforum retta mot drosjenæringa vart etablert i Oslo i 2009. I forumet deltek både politi, løyvestyresmakt og andre kontrolletatar. Næringa har òg gjennom eigne interne tiltak medverka til opprydding i etterkant av 2007. Lat meg nemna sider ved yrkestransportlova som eg meiner det er behov for å sjå nærare på, for det fyrste informasjonsutveksling mellom ulike styresmakter: Vandelsvurdering for løyve er i dag basert på politiattest eller varsel frå påtalestyresmakta. Grunnlaget er altså lovbrot der straff er ilagd, eller eit forhold som er under strafferettsleg behandling. Brot på skatte- og avgiftslovgjevinga som ikkje blir strafferettsleg behandla, fell utanfor. Etter gjeldande reglar har ikkje skatte- og ikkje skatte- og avgiftsstyresmaktene på grunn av teieplikta høve til å varsla løyvestyresmaktene om forhold som dei får kjennskap til i arbeidet sitt, sjølv om opplysningane kan ha noko å seia for spørsmålet om tildeling eller tilbakekall av løyve. Departementet arbeider med eit framlegg om å innføra ein rett eller ei plikt for skatte- og avgiftsstyresmaktene til å gje opplysningar til løyvestyresmaktene om forhold som bør ha verknad for spørsmålet om tildeling eller

på eit seinare tidspunkt skal få moglegheit til ein større debatt enn det er høve til i dag. Eg er, på same måten som forslagsstillarane, oppteken av å styrkja kontrollen med løyveordningane for drosjer og andre transportformer. Eg har gjort meir grundig greie for kva som kjem til å liggja i dette høyringsnotatet i ein interpellasjon som vi hadde i Stortinget den februar, då vi hadde meir tid til disposisjon. Og så vil eg seia at i høve til deregulering håper eg Stortinget er oppteke av at drosjenæringa er ei samansett næring med ulike behov for kundane i by og distrikt. Det blir replikkordskifte.

så – det er bare en refleksjon: Jeg synes det er viktig med begge deler, men man må også tenke på kundene. Det er kundeperspektivet som er viktig her. Men hva er ulempene for kundene hvis man tildeler sentralene løyver istedenfor å tildele dem til enkeltpersoner? Jeg synes gjerne at statsråden kan svare på hva som er ulempene for kundene. Jeg trodde faktisk at det ville være bra for kundene å vite at det er et selskap man kan forholde seg til, at det er ansatte som både følger arbeidsmiljøloven og andre lover og regler, og at det er lett å gå på dem. Hvis det skulle være noe å klage på, ville det være mye bedre å gå til en sentral enn å forholde seg til kanskje et sted mellom 1 500 og 2 000 løyvehavere i Oslo. Lat meg for det fyrste seia at det ville vera trist om eg skulle bli oppfatta slik at eg ikkje var oppteken av kundane sine behov i denne saka. Det er jo sjølvsagt dei som er punkt nummer

innspel som er komne, og innspel som er komne, og som kjem til å koma, i denne debatten. Det er rett og slett ut frå det synspunktet at her er det veldig mange problemstillingar knytte til ei samansett næring. Jeg synes det er gledelig at statsråden sier at hun er opptatt av kundene. Men jeg observerer at representanten de Ruiter var veldig opptatt av de som er løyvehavere, og av de som er sjåfører, og ikke like opptatt av kundene. Deler statsråden Freddy de Ruiters synspunkt? Jeg har fortsatt ikke fått svar på hva ulempene for kundene er, ved å foreslå at sentralene skal få løyvene istedenfor å fordele dem til enkeltpersoner som da må drive egen næringsvirksomhet. Det vil være mye bedre å kunne forholde seg til en sentral som har ansatte, og som driver på samme måte som alle andre bedrifter i Norge. Det kan man ikke i dag. Hvorfor vil ikke statsråden åpne for det? Eg oppfatta representanten de Ruiter slik at han er oppteken av at kundane skal ha eit tilbod om drosje frå ei næring som varetek arbeidstakarane sine. Eg oppfatta òg det same i den debatten vi hadde den 3. februar i år. Her er altså eksempel frå andre land som tilseier at det går an å få på plass meir ryddige forhold enn i dag, i tillegg til den oppryddinga som stått for, og dei endringane som har skjedd i form av endringar i lovverk og på annan måte. Når det gjeld fordelar og ulemper, knytte til sentralar og direkte til løyve, vil eg koma tilbake til det i det høyringsnotatet eg har annonsert. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil minutter. Et godt taxitilbud er viktig for innbyggerne. I Oslo har vi en taxipolitikk som har ført til et stort overskudd av drosjer. En snakker ofte om markedets makt, men et marked for taxier er imperfekt. Det er ingen som står i Stortingsgata kl. 1 om natten en kald dag med østavind, stanser en taxi og spør hva det koster å kjøre til Vålerenga. Akkurat da er markedsmakten ganske usymmetrisk. Når det står lange køer av drosjer, er det nærliggende å tro at det vil være rasende billig å få en av dem til å kjøre deg dit du skal. Men det er det ikke, det er dyrere enn noensinne. Markedets vanlige mekanisme taper for en annen effekt, nemlig at når taxiene står stille 60–70 pst. av tiden, er de nødt til å ta en høy pris for de turene de får. Dette går jo ikke bare ut over oss som kunder, men det går også ut over dem som kjører drosjene. Vi ønsker at folk her i landet skal ha en anstendig lønn gjennom ordinært arbeid med ordinær arbeidstid, men det er en luksus vi i dag ikke unner taxisjåførene. De må nå kjøre 12–14 timer for å oppnå samme inntekt som de fikk for ti år siden med en vanlig åtte timers dag. Istedenfor å ta tak i dette varsler en utvidelse av antall løyver i Oslo. Høyre og Fremskrittspartiet går her tilbake til en tid da arbeidstakerrettighetene sto svakt. Er ikke Fremskrittspartiet bekymret for at de ikke klarer å rydde opp i Oslo, før de skal ha en ny rammepolitikk? Når en hel næring, med unntak av ledelsen i enkelte mindre biler i gatene, burde en lytte til det og ikke slenge ut nye løyver, slik at rekken av tomme drosjer blir enda lengre. Det er en betydelig utfordring når det gjelder konkurranseforholdene i næringen og arbeidsforholdene, som næringen selv beskriver som krevende. Det er også viktig i det videre arbeidet at man ser på antall løyver i en større sammenheng i hver enkelt kommune. Det er veldig bra at statsråden har varslet en gjennomgang av behovskriteriet og yrkestransportloven. Det er viktig for å hindre overkapasitet og for å skape levelige arbeidsvilkår for sjåførene. Jeg er klar over at det ikke er

Men for å hjelpe representanten Hoksrud skal jeg gjenta det jeg sa i mitt innlegg. Det viktigste for oss i Arbeiderpartiet er at publikum skal ha et godt og trygt taxitilbud, og at det er trygghet for arbeidsplassene i næringen. For Arbeiderpartiets del betyr det at vi ser disse to tingene i sammenheng. Vi har ikke noen tro på at tilbudene til publikum verken blir bedre med å skje her i Oslo under Høyres og Fremskrittspartiets politiske styre, som representanten Yrvin forklarte på en glimrende måte. Jeg forstår at Fremskrittspartiet har et behov for å få bort oppmerksomheten fra det saken her gjelder, nemlig at Høyre og Fremskrittspartiet er i ferd med eller iallfall har et ønske om – å deregulere en næring som vil være til ugunst både for forbrukerne og for dem som jobber i næringen. Så jeg stiller igjen spørsmålet: Tror Fremskrittspartiet at det blir et bedre tilbud, at det blir billigere, at det blir høyere lønninger, eller synes rett og slett Fremskrittspartiet at taxisjåfører jobber for lite og tjener for mye?

Jeg synes at når vi blir beskyldt for ha så lite smarte løsninger i Høyre, så må jeg få lov å ta litt til orde. Taxi er et gode vi vil ha som brukere, og jeg er veldig fornøyd med taxiene i Oslo. Jeg synes prisnivået er greit, og jeg synes du er sikret hva du skal betale når du kommer fram. Det at det er for mange drosjer i Oslo, er jo et helt annet problem. Det er et annet problem på landsbygda – det var for så vidt statsråden inne på – men det må løses på en helt annen måte. Men da spør jeg meg selv: Hvorfor må vi regulere drosjene, som er et tilbud til kundene, på annen måte enn frisørbutikkene, på annen måte

og som klarer det på en utmerket måte uten at kommune, fylke eller stat eller andre blander seg inn i hvordan de driver sin business, med unntak av at de skal følge lover og regler som alle andre bedrifter. Det som er så rart med denne saken, er jo at her har plutselig Arbeiderpartiet et voldsomt engasjement for selvstendig næringsdrivende, som skal ha helt andre måter og mekanismer å forholde seg til enn det alle andre i næringslivet må gjøre. Det er jo det spesielle. Det er ikke slik som representanten Yrvin sier, at folk betaler ut fra hvor lenge drosjen har stått stille. Man betaler den prisen man skal betale når man kjører, og for å komme dit man skal. Men så skal man nå ha parallelltakst, som skal gjøre at det ikke er avhengig av hvor fort bilen kjører, om man får det man betaler for å reise med taxien. Jeg registrerer fortsatt at statsråden ikke vil svare på hva som er ulempen for kundene ved at man tillater at sentralene får lov til å drive taxinæring og ha et ryddig og ordentlig arbeidsforhold. Til representanten Freddy de Ruiter: Spørsmålet mitt var ikke hva du mente. Spørsmålet mitt var hva statsråden mente om dine uttalelser her på talerstolen. Det er noe helt annet. Men jeg har lyst til å si at noe av grunnen til at noen ønsker å etablere selskaper, er jo f.eks. at man ønsker å bruke bare Toyota Prius, og man ønsker å ha en egen, enhetlig farve på bilene. Når folk ringer til min drosjesentral, så skal de vite at når de kjører med mine sjåfører, har alle oppfylt kravet til vandelsattest, at jeg følger lover og regler i forhold til bedriften, at har alle oppfylt kravet til vandelsattest, at jeg følger lover og regler i forhold til bedriften, at det er ryddige og ordentlige arbeidsforhold og lønnsforhold – og ikke minst når det gjelder hvordan man driver bedriften sin. Det gir faktisk noen muligheter til å kunne kjøpe inn mange biler og på den måten kunne få lavere pris og ha større marginer og kunne betale sine sjåfører bedre. Men dette er forhold som de som er så opptatt av at sentralene ikke skal få lov til å etablere seg, etablere egne bedrifter, synes er så forferdelig. Jeg synes fortsatt at statsråden burde svare på hva som er ulempene. Og så er det slik at det var statsråden jeg spurte om synspunktene på Freddy de Ruiters uttalelser. Representanten Freddy de Ruiter

at Fremskrittspartiet og Høyre mener at det er fritt fram, og at det er bare å etablere så mange taxier som overhodet mulig. Men da blir det litt rart, synes jeg, at representanten Hoksrud snakker om ordentlige og ryddige arbeidsforhold, for med respekt å melde er det nok rimelig naivt hvis man skal ha en fri etablering av taxier.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

rett og slett fordi det handler om noe av det vi nettopp hadde en debatt om tidligere i dag, nemlig trafikksikkerhet. Det betyr selvfølgelig også mye for regularitet og framkommelighet på norske vinterveger at trailere og store kjøretøy er godt og forsvarlig skodd, men først og fremst er vi opptatt av sikkerheten også for andre trafikanter. Stortinget har tidligere behandlet et Dokument 8-forslag om intensivert kontroll og registrering av utenlandske kjøretøy. Dette sluttet regjeringen seg til, og jeg har skjønt at det er under arbeid i departementet. I denne saken er det slik at en samlet komité forutsetter at departementet og myndighetene bedriver en effektiv kontroll, og at statsråden sørger for tiltak overfor utenlandske vogntog så vel som norske vogntog, slik at vi får sikre kjøretøy på norske veier. Fremskrittspartiet er forslagsstiller her, og de har et eget forslag til vedtak som jeg regner med at de vil redegjøre for, og det er det bare de som støtter. Derfor vil jeg bare kort si, i alle fall på vegne av Høyre, men som saksordfører også, at grunnen til at vi ikke gikk inn på det, er at her er oppmerksomheten nærmest utelukkende rettet mot utenlandske kjøretøy, og ikke mot norske. Det men i en sak hvor vi fokuserer på sikkerhet på norske vinterveger, må også norske trailere ta sin del av ansvaret. Der er man heller ikke feilfri, og mange husker disse avisoppslagene i hele vinter om kjøretøy som sto og fjelloverganger, ja gjerne i flere timer, før trafikken kunne slippes på igjen. I det oppslaget jeg hadde med meg, var det dessverre norske kjøretøy det gjaldt. Jeg tror jeg gir meg der som saksordfører. Jeg regner med at forslagsstillerne vil redegjøre for sitt syn.

dette et problem som ikke bare gjelder utenlandske trailere. Det omfatter også i høyeste grad norske vogntog. Det har vært mange eksempler på fjelloverganger og på veier som nærmest har vært sperret på grunn av vogntog som har vært for dårlig skodd. Vi hadde f.eks. et eksempel nordpå hvor en bygd var stengt i nesten et døgn på grunn av et vogntog som på tvers. Derfor er det en viktig problemstilling som forslagsstillerne tar opp. Samferdselsdepartementet og underliggende etater har iverksatt en rekke tiltak og vurderer også flere nye tiltak for å sikre trafikken bedre. Ett av de tiltakene jeg er glad for at er at man nå har på høring forslag om åpning for bruk av tyngre pigger på biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 12 000 kg og på busser. Dette har vært et viktig krav for bl.a. lastebileierne og har vært tatt opp med bl.a. nordnorske stortingsrepresentanter, fordi den typen pigger som man bruker i dag, gir ikke et godt nok veigrep på glatte veier i kyststrøk og Nord-Norge. Vegtrafikkloven er også nylig endret, sånn at Statens vegvesen nå har hjemmel til selv å fjerne kjøretøy som har kjørt seg fast. Tidligere var det bare politiet som hadde den myndigheten. Det blir nå enklere for veimyndighetene å gjenopprette framkommeligheten på norske vinterveier. Jeg er også glad for at samferdselsministeren skriver i brevet til komiteen at Statens vegvesen har intensivert antallet kontroller, og at også politiet har gjort det samme med forsterket fokus på kontroll av dekk og kjettinger for å kunne stoppe trailere som ikke er godt nok utstyrt. Samferdselsdepartementet vurderer også om det skal innføres påbud om bruk av vinterdekk i bestemte vintermåneder. Jeg er glad for det sterke fokuset fra samferdselsmyndighetene og politi på å sikre at trailere og andre tunge kjøretøy er utstyrt for vinterføre. Det er viktig både i et trafikksikkerhetsperspektiv og også for å sikre framkommeligheten langs norske veier. Denne vinteren har vist at det er for mange dårlig utstyrte trailere på veiene og for mange sjåfører uten tilstrekkelig kompetanse til å mestre vinterforhold. Derfor er det forholdet som saksordføreren var inne på, viktig, nemlig at det er en samlet komité som er enig om at Samferdselsdepartementet må følge denne utviklingen og vurdere mulige tiltak for å kunne hindre dårlig skodde trailere, og at det er viktig at bl.a. flere kontroller gjennomføres. Utenlandske trailere er

og møter utenlandske sjåfører med dårlig utstyrte kjøretøy. Det er selvfølgelig positivt for norsk økonomi at utenlandske aktører får levere varer i Norge uten kostbar omlastning. Men noe må gjøres med sikkerheten. Vi kan ikke ha det slik at norske lover og bestemmelser praktiseres mindre strengt for utenlandske vogntog enn for norske, for det er slik våre norske yrkessjåfører opplever det. det. På Sørlandet er det et stort problem med utenlandske vogntog på sørlandske vinterveier. Politikk blir aldri bedre enn det beslutningsgrunnlaget som vi politikere har tilgang til, og i forbindelse med denne saken har det vært en teknisk diskusjon om mønsterdybde på dekkene. Diskusjonen har gått mellom samferdselsministeren på den ene siden og Fremskrittspartiet og Norges Lastebileier-Forbund på den omtalte vi krav om 10 mm mønsterdybde for kjøretøy over 12 tonn på styrende og drivende hjul, som ett av flere mulige tiltak. I samferdselsministerens svar til komiteen av 9. mars hevder statsråden at nye dekk til tungtransport leveres med en mønsterdybde på 12–15 mm, og at Fremskrittspartiets forslag av den grunn var problematisk.

Allikevel opprettholdt ministeren sin konklusjon angående representantforslaget, selv om de nye faktaene endrer hele forutsetningen for statsrådens konklusjon. Mønsterdybde er selvsagt bare én av flere ting man bør se nærmere på, og jeg er glad for at departementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å undersøke om innføring av vinterdekkpåbud i Sverige og Finland har gitt en lavere ulykkesfrekvens på vinterføre, selv om svaret på dette egentlig burde være opplagt. I representantforslaget lister vi også opp flere andre tiltak som man bør se nærmere på. Norge er dessverre en sinke på trafikksikkerhet, noe som først og fremst skyldes at det ikke er blitt investert nok i gode og trygge veier. Hele E18 fra Oslo til Kristiansand burde f.eks. ha vært motorvei for lenge siden. Ja, samferdselsministeren ville vel også ha vært enig i at hele strekningen E39 fra Kristiansand til Stavanger også burde ha hatt motorveistatus. Når utenlandske trailersjåfører kommer til Norge og opplever både dårlig føre og elendige veier på én gang, skaper dette ytterligere utrygghet. Derfor bør noe gjøres, og jeg er skuffet over at Fremskrittspartiets forslag ikke ble støttet av et eneste av de andre partiene, til tross for at alle vet at dette er et stort problem på norske vinterveier. Jeg tar herved opp Fremskrittspartiets forslag i saken.

på vegane våre. Årsaka til hendingane har dessverre ofte vist seg å vera at køyretøya er for dårleg skodde i forhold til føreforholda. Lat meg seia det med ein gong: Eg er særs oppteken av dei problema som dårleg skodde vogntog skaper på norske vegar. Det er ein uhaldbar situasjon at vogntogførarar ikkje i tilstrekkeleg grad

køyra vidare. Forholdet vil kunna bli meldt og føra til straff og tap av førarretten om det er alvorleg nok. Eg tok initiativ til å endra vegtrafikklova. Det er gjort. Statens vegvesen har no heimel til å fjerna køyretøy som har køyrt seg fast og er til hinder for framkomsten. Berre politiet hadde denne retten tidlegare. Det blir slik sett enklare for vegstyresmakta raskt å sikra framkomsten på vegane våre. Eg ser ikkje behov for fleire regelendringar førebels, men eg legg til grunn at både Statens vegvesen og politiet utnyttar dei moglegheitene som gjeldande regelverk gjev. Så ganske kort om desse forslaga som her er fremja, og som altså gjeld mønsterdjupne og toaksla trekkvogn i kombinasjon med treaksla semitrailer. Det som er viktig, er å ha med kjetting. Det pliktar førarar allereie etter gjeldande reglar å ha med seg og bruka ved behov. Det nyttar nok ikkje, når det kjem til stykket, å lita på mønsterdjupna på dekka åleine. Det som i tillegg er viktig å ha klart for seg, er at forskjellen når det gjeld eigenskapane for framkomsten for vogntog med to eller tre akslar, vil vera minimal. Då er det eit stort spørsmål: Skal vi altså i Noreg forsvara at ei heil gruppe køyretøy som er godkjend i dei andre EØS-landa, blir nekta brukt i Noreg? Problema med framkomsten når det gjeld toaksla trekkvogn, kan minimerast ved kjettingbruk. Desse to forslaga vil altså òg i seg sjølve i tillegg lett bli vurderte som handelshindringar utan tilstrekkeleg god grunngjeving. Eg merka meg at representanten at i forhold til dei bileta, dei spørsmåla, den merksemda, som var her tidlegare i vinter omkring ein situasjon der mange vogntog vart ståande etter kvarandre, var det dessverre denne gongen norske sjåførar som var årsak til den situasjonen. situasjonen. Det må vi vera klare over, og det må faktisk òg Framstegspartiet ta inn over seg, at av og til skjer dette for utanlandske vogntog – kanskje dei er overrepresenterte, det er vel noko som tyder på det, men det er faktisk òg norske førarar som ikkje held dei reglane som vi har. Då er vi pålagde å sørgja for eit regelverk som varetek at vi

Men det jeg er mer opptatt av å få vite fra statsråden, er: Alle sier de forstår dette, og det er definitivt ikke problematisk å finne dokumentasjon på at utenlandske trailere står for en langt større andel av de bilene som står langs veien, enn det norske trailere gjør – både i forhold til utrustning på bilen, hvordan type bil man kjører, og andre ting. Blant annet i Agder vet jeg at politifolk sier at de hadde håpet at man hadde fått på plass Så jeg har lyst til å spørre statsråden: Er det ikke sånn at når disse bilene står for en stor andel av de bilene som står stille, havner i grøfta og er en fare for andre trafikanter, burde man ikke ta bort det, etter den debatten vi har hatt tidligere i dag rundt trafikksikkerhet? Lat meg understreka at når det gjeld trafikktryggleik, er årsakene samansette. Løysingane må òg vera det. Lat meg i tillegg seia at eg er veldig lei meg for å svara feil til Stortinget. Eg trur ikkje at dei i Vegdirektoratet heller er veldig lei meg for å svara feil til Stortinget. Eg trur ikkje at dei i Vegdirektoratet heller er særleg fornøgde med at dei i fyrste omgang svarte feil. Det er noko som kan skje, men det skal òg rettast opp. Ein feil må kunna tolast, men òg bli innrømd. Det har vi gjort i dette tilfellet.

så vanskeleg som Framstegspartiet vil ha det til? Det er det ikkje alle som meiner. Jeg skal ikke legge meg opp i mønsterdybder og akslinger. Det overlater jeg til fagfolkene. Men jeg er blitt gjort oppmerksom på et problem som faktisk kan være medvirkende til at vogntogene ikke stopper og legger om til kjettinger. Det er at det ikke finnes i tilstrekkelig grad såkalte kjettingplasser før fjelloverganger. Det er kanskje noe vi kunne fokusere litt på, og merke godt med skilting at man kommer til en kjettingplass om noen kilometer eller så. Hvis det er slik at det her kan treffes noen strakstiltak – det er tross alt ikke så veldig mange fjelloverganger det er snakk om – skal vi love statsråden støtte for det, hvis hun trenger penger i

. For kjettingplassar er faktisk ein føresetnad for at ein ikkje lagar ein ny kork før ein har begynt på fjellovergangen. Det er nok òg noko som Statens vegvesen er merksam på, men eg skal ta med meg tilbake både det fysisk å sørgja for plassar og nødvendig merking. Så vil eg gjerne understreka i tillegg at eg er oppteken av god dialog og innspel på eit felt der vi openbert kan bli betre. Eg har teke med meg statistikken for vogntogulykker i Noreg frå Statistisk sentralbyrå. Vi har i dag gledd oss over at det ikkje var nokon drepne barn i bil i fjor. Vi ser av utviklinga dei siste ti åra at mens vi på nesten alle område har i bil i fjor. Vi ser av utviklinga dei siste ti åra at mens vi på nesten alle område har lykkast med forbetring, har vi ikkje det når det gjeld vogntogulykker, dvs. at både i forhold til talet på drepne, alvorleg skadde og lettare skadde er utviklinga dei siste ti åra relativt stabil, mens vi ikkje har sett den forbetringa her som vi har sett på andre område. Mi utfordring til statsråden er: Kva meiner ho er ho er grunnlaget for dette? Og kva tiltak ser ho no er nødvendige for å få til ei forbetring her, sånn som vi har fått på dei andre områda når det gjeld trafikktryggleik? Lat meg gjenta noko som eg har sagt i ein annan samanheng i dag. Det er at årsakene er samansette, og det trur eg nok at løysingane òg må vera. Men det er svært viktig til kvar tid å vere det er svært viktig til kvar tid å vere oppteken av å styrkja køyreopplæringa. Eg trur dei eigne transportlinene som er, og landslinene som er, er veldig gode bidrag i så måte, med den øvinga som dei legg til rette for, og dei fornyingskursa som er. Så har vi snakka om forholdet mellom sjåførar frå andre land og forholdet mellom sjåførar frå andre land og frå Noreg. Det er klart at der er alt frå språk til krav til køyring og andre forhold svært viktige å vareta og ha felles på tvers av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

Komiteen meiner høg kvalitet på kjøreopplæringa er viktig for å redusere talet på ulykker på vegane. Det er viktig med kvalitetssikring av dei som tilbyr føraropplæring. Useriøse aktørar må bli luka ut. I dag er det slik at Statens vegvesen har ei viktig oppgåve i å føre tilsyn med trafikkskulane. For at ein trafikkskule skal kunne tilby føraropplæring, må skulen vere godkjend av Statens vegvesen. Vegvesenet fører tilsyn med trafikkskulane for å sikre kvaliteten på undervisninga. Offentleggjering av resultata frå tilsynet med trafikkskulane vil etter forslagsstillarane sitt syn vere eit positivt tiltak for å luke ut useriøse

og andre kursarrangørar som tilbyr trafikkopplæring, i fjor. Det blei gitt ei rekkje pålegg, mens rundt 20 trafikkskular fekk åtvaring. Likevel er det mest alvorlege at Vegvesenet kalla tilbake 21 løyve blant kjøreskulane eller faglege leiarar ved skulane. Dei fleste kjøreskulane er seriøse og driv bra, men det er behov for å gå nærare inn i kva som faktisk blir gjort ved skulane. Grundig tilsyn er nødvendig. Dette må me fokusere på, elles får me farlegare bilistar i tida framover. I brev til komiteen viser statsråden til det arbeidet som no blir gjort i Statens vegvesen, der det registeret som eksisterer i dag, Komiteen stiller seg bak ønsket om meir systematisert offentleggjering av tilsynsresultat, og foreslår at forslaget takk til saksordføreren for orienteringen. Bakgrunnen for dette representantforslaget har både et trafikksikkerhets-, informasjons- og åpenhetsaspekt. Vi vet at unge i trafikken er spesielt utsatt for ulykker, og det er en bred etablert forståelse for at en god og kvalitetssikret Samtidig dokumenteres det fra flere hold, fra svært seriøse trafikkskoler som bl.a. har tatt kontakt med meg, at det er stor forskjell på kvaliteten i kjøreopplæringen ved de ulike trafikkskolene, som også saksordføreren sa, og at det finnes for mange useriøse aktører på veiene våre. Dette synes vi i Venstre er alvorlig. Vi mener også at det er et stort behov for bedre kundeinformasjon rundt kvaliteten ved trafikkskolene, slik at unge, kommende sjåfører får en oversikt over aktørene i bransjen. Vi mener at informasjon om trafikkskoler bør gjøres systematisk tilgjengelig for publikum. Dette vil være verdifullt

Det er imidlertid fortsatt mulig å støtte forslaget fra Venstre – som ikke bare Venstre, men flere med oss synes er viktig. Forslaget er omdelt i salen. Jeg tar herved opp forslaget. Representanten Borghild Tenden har tatt opp det forslaget hun refererte til. Unge og uerfarne bilførarar er

skal ha ei kvalitativt god føraropplæring som kan bidra til å redusera ungdomsulukkene. Opplæring er viktig for å gje ungdommane gode kunnskapar, ferdigheiter og haldningar. Slik blir dei i stand til å takla dei utfordringane trafikken byr på. Statens vegvesen har i denne samanhengen ei viktig oppgåve med å føra tilsyn med trafikkskulane og å etablera nødvendige tiltak bl.a. for å auka kompetansen hos trafikklærarane. Publikum skal ha moglegheit til å velja ein god og seriøs Det er viktig at publikum etterspør kvalitet. Statens vegvesen har allereie eit register over godkjende trafikkskular. Det gjev publikum moglegheit til å velja skule ut frå kor dei ynskjer å ta opplæringa. Statens vegvesen vil utvikla dette registeret, i samarbeid med bransjen, slik at publikum får betre grunnlag for å forhøyra seg nærare om kvalitet. Det er viktig at Venstre tek opp denne saka, slik at vi òg får ei drøfting av trafikkskulane. Kvalitet på desse skulane er faktisk eit svært viktig bidrag i forhold til nettopp trafikktryggleik, som vi har snakka om både tidlegare i dag og andre dagar.

Det kan då verka urimeleg om negativ informasjon skal hefta ved ein skule i lang tid, dersom f.eks. dette eigentleg gjeld ein tilsett, og særleg dersom den aktuelle trafikklæraren f.eks. har slutta. Rapportar frå tilsynet treng difor ikkje nødvendigvis å vera representative for skulen si totale verksemd. Det må vurderast nærmare på kva måte eit slikt register kan gje publikum best mogleg informasjon, samtidig som det gjev eit rett bilete av trafikkskulen si verksemd. Statistikk over strykprosent for dei enkelte trafikkskulane er alt under utarbeiding i Statens vegvesen. Denne vil synleggjera prosenten av beståtte prøvar. For at prøven skal koma med i statistikken, er det ein føresetnad at trafikkskulen har gjennomført den obligatoriske opplæringa i trinn 4 med kandidaten. Utan eit krav om at eleven må ha gjennomført noko av opplæringa hos den aktuelle skulen, kan statistikken gje eit skeivt bilete av kvaliteten på opplæringa ved trafikkskulen. Eg vil i fyrste omgang avventa erfaringane med offentleggjering av strykstatistikk. Deretter vil det eventuelt bli gjort vurderingar av om ytterlegare systematisert offentleggjering av informasjon om trafikkskulane og verksemda deira er hensiktsmessig.

jeg merket meg at det er skrevet i svarbrevet at de oppga andre skoler enn der de egentlig hadde tatt trafikkopplæring. Men er det ikke mulig å avdekke det? Det trur eg nok. Det kan vera mogleg. Lat meg seia i tillegg til dei forholda som eg allereie nemnde, at

eg kjenner meg nok trygg på at når det blir ytterlegare fokus på trafikkskulane og innhaldet og kvaliteten – slik som i dette forslaget i denne debatten – vil Statens vegvesen framover vera endå nøyare med det tilsynet som blir ført, og så vil dei utvikla sitt system noko meir etter kvart. Vi må vera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

Presidenten kan ikke se at saksordføreren er i salen. Det betyr at presidenten gir ordet til representanten Kari Kjønaas Kjos.

Fremskrittspartiet mener dette er en viktig og riktig forbedring av lovverket. Stortinget har ved flere anledninger diskutert å åpne for egenproduserte produkter som inneholder alkohol. Det er bare kort tid siden vi behandlet et representantforslag fra Venstre, hvor denne problemstillingen ble tatt opp. Der ble også spørsmålet om salg av egenproduserte produkter innenfor gruppe 2 og 3 diskutert. Flertallet avviste dette forslaget. Kort tid etter opplevde vi imidlertid igjen at medlemmer fra regjeringen uttalte seg positivt til forslaget. Det er forvirrende når regjeringens medlemmer stadig fremmer et positivt syn på en sak, men at det blir stemt ned. Forvirringen blir imidlertid komplett når man fortsetter å snakke positivt om en sak man nettopp har stemt imot. Det oppfattes faktisk både forvirrende og lite realt av regjeringen å ha én politikk i media og en annen Fremskrittspartiet støtter at regjeringen tross alt går ett skritt i riktig retning i forhold til å satse på lokal produksjon av drikke opp til 4,7 pst. alkoholinnhold, og mener dette kan bidra til at selvstendig næringsdrivende innenfor matvareproduksjon gis muligheter til bedre ressursutnyttelse og høyere inntektsgrunnlag. Fremskrittspartiet mener imidlertid at også produkter med alkoholprosent over 4,7 burde kunne tilvirkes og omsettes i egen virksomhet. Fremskrittspartiet konstaterer at det på det nåværende tidspunkt ikke foreslås en innskrenking i maksimaltiden for skjenking i loven, og støtter dette. For Fremskrittspartiet har mangel på dokumentasjon på effektene av innskrenking av skjenketider og ønsket om kommunalt selvstyre vært avgjørende for vårt syn på akkurat dette punktet. Fremskrittspartiet har derfor ønsket at kommunene skulle ha en større Kommunene sitter på samme informasjon som Stortinget, men besitter i tillegg kunnskap om eget lokalmiljø og utfordringer. Differensierte skjenke- og åpningstider ser vi på som en fordel og en mulighet for kommunene, og fremmer derfor forslag om dette. Komiteen gjentar i denne saken et ønske om at STAD-prosjektet fra Stockholm også innføres i norske storbyer i løpet av 2012. Meldinger om overtredelser av skjenkereglene blir altfor ofte ikke fulgt opp med sanksjoner, og dette kan vi ikke akseptere. Dette ansvaret må kommunene ta. For Fremskrittspartiet har en sterk og effektiv kontroll med virksomheter som omsetter og tilvirker alkohol, vært viktig. Vi mener det er et egnet virkemiddel for å hindre misbruk, ulovlig drift og utrygghet. Rask reaksjon og behandling av saker som inndragelse av bevilling ved brudd på alkoholloven, vil virke forebyggende og skjerpende. Ikke alle takler eller tåler alkohol, og for noen blir den en årelang avhengighet, med alle de ulemper og helseproblemer som følger av dette. Samtidig er alkohol en lovlig vare som ved riktig bruk er en naturlig del av manges liv og levnet. Det er derfor viktig for Fremskrittspartiet å føre en balansert alkoholpolitikk i forhold til dem som oppfører seg riktig og følger lover og regler. I forhold til dem som ikke følger spillereglene, ønsker vi oss en strengere og mer enhetlig utøvelse av kontroller og sanksjoner. Det er uakseptabelt at et lovbrudd i én kommune kan utløse en advarsel, mens det samme lovbruddet i nabokommunen medfører inndragning av bevillingen. Fremskrittspartiet har merket seg at det nå skal utarbeides nasjonale verktøy som skal brukes av kommunene i forbindelse med kontroll, men Med en slik politikk kan vi risikere 430 forskjellige reaksjoner på ett og samme lovbrudd. Fremskrittspartiet fremmer til slutt et forslag om en oppmykning av regelverket rundt åpningstider i forbindelse med valgdager, da vi ikke kan se alkoholpolitiske grunner for at disse reglene finnes. Jeg vil også benytte anledningen til kommentere det faktum at det kan være vanskelig å se forskjellen på informasjon og reklame. Under VM ble Grans Bryggeri pålagt å destruere 300 000 ølbokser. Grunnen var en påskrift på ølboksene som sa: «Grans VM-øl er en sprek pilsnerøl som setter deg i fin VM-stemning.» Dette ble ansett å være alkoholreklame. På nettsidene til Vinmonopolet kan vi se bilde av en pizza og lese: «Hjemmelaget pizza kan varieres i det uendelige etter smak og behag. Pizza med skalldyr går godt sammen med Dette er altså ikke reklame. Det er vanskelig å se at dette kan anses som en likebehandling av aktørene. – Jeg kom ikke helt i mål, president. Jeg vil ta opp de forslagene som Fremskrittspartiet har fremmet i denne saken. Representanten Kari Kjønaas Kjos har tatt opp de forslagene hun refererte til. Siden det nå har

Det er en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol og helseskader og sosiale konsekvenser, sykdommer, ulykker og ikke minst vold. Avhengighet av rusmidler medfører store sosiale problemer, redusert levestandard, dårlig helse og ernæring. I forslaget til ny nasjonal helse- og omsorgsplan og ny folkehelselov settes et stort fokus på hvordan en skal forebygge bedre gjennom kommunale forebyggende tjenester, herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste. Legetjenester og omsorgstjenester er viktige og nødvendige i arbeidet med å redusere rusmiddelmisbruk og skader forårsaket av rusmidler. Vinmonopolets enerett til detaljsalg av alkoholholdig drikke med mer enn 4,7 pst. alkohol er begrunnet med selskapets alkoholpolitiske oppdrag. Gjennom regulert omsetning, ikke å stimulere til økt salg og strenge krav til kontroll med salget bidrar Vinmonopolet til at totalkonsumet av alkohol i samfunnet begrenses. Det er en forutsetning for eneretten at selskapet likebehandler alle leverandører av alkoholprodukter når det gjelder markedsadgang, salgs- og leveringsvilkår. For innkjøp av salgsvarer gjelder egen forskrift om Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet. Ved innkjøp av andre varer og tjenester skal regelverket om offentlige anskaffelser følges.

osv. Komiteen er bekymret over at kontrollen med salgssteder for alkohol ikke fungerer effektivt. Terskelen for å få skjenkebevilling skal være høy, streng og rettferdig, mens terskelen for å miste bevillingen må være lav og konsekvent. Komiteen mener at oppslutningen om vinmonopolordningen er avhengig av at Vinmonopolet er en morderne og serviceorientert virksomhet. virksomhet. Komiteens flertall mener nettopp at Vinmonopolet har styrket sin posisjon i det norske samfunnet gjennom modernisering av aktiviteten og det sosialpolitiske grunnlaget. Komiteens flertall vil vise til at det er godt dokumentert at regulering av tilgang til alkohold gjennom pris, åpningstider og tilgjengelighet påvirker totalkonsumet i samfunnet. Flertallet er positive til at regjeringen følger opp stortingets vedtak om å åpne opp for salg av egenproduserte produkter som inneholder 4,75 pst. alkohol. Vi slutter oss til denne ordningen, slik regjeringen foreslår, med den følge at forslaget vedlegges protokollen. Hva gjør du hvis folk er

at Senterpartiet vil ta ansvar og foreslå å innskrenke maksimal skjenketid i alkoholloven til kl. 02.00. Jeg opplever at skjenketider er noe av det merkeligste denne sal diskuterer. Fagfolkene er enige, erfaringene fra Norge og fra utlandet er entydige, og til og med flertallet i Stortinget har gitt uttrykk for at de mener det samme. Hva er det som likevel gjør at det som kan gi oss en tryggere by, ikke blir en realitet? Hvorfor klarer vi ikke å lande på rett side når rådene og erfaringene er så klare og flertallet er så klart? I saken fra regjeringen foreslås få endringer, dog i noe liberal retning. Det bør ikke overraske noen at Kristelig Folkeparti vil advare mot endringer som øker tilgjengeligheten og dermed også alkoholkonsumet. Kristelig Folkeparti mener at forslaget om en ny forenklet ordning for tilvirking av alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol for salg i egen virksomhet øker tilgjengeligheten til alkohol, og vil derfor stemme imot forslaget fra regjeringen. Jeg vil bare minne om høringsuttalelsen hvor følgende støttet en innskjerping av skjenketidene: Actis, Barneombudet, kriminalitetsforebyggende råd, Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, IOGT Norge, LO, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Politiets Fellesforbund, flere politidistrikt, Helsedirektoratet, SIRUS og Legeforeningen. Det er noen som har uttalt at de støtter endringene. Jeg nevner Bryggeri- og drikkevareforeningen, Color Line,

ganske store forventninger til saken knyttet til det som nærmest ble framstilt som en valgkampsak i valgkampen i 2009, nemlig at regjeringspartiene gikk inn for å innskrenke kommunens mulighet til å bestemme skjenketid med en time. Fra Høyres side er jeg veldig glad for at både regjeringen og et klart flertall i komiteen nå erkjenner at den konklusjonen som ble markedsført i valgkampen i 2009, var en konklusjon som det ikke fantes god nok faglig begrunnelse for, at den ikke hadde den typen virkning som den ble markedsført under. Men da var det ganske spesielt å oppleve spørretimen i går, hvor justisministeren like frimodig argumenterte for forslaget som hans egen regjering har gått vekk fra som følge av at det ikke finnes faglig begrunnelse for det. Den loven vi nå står igjen med og skal behandle i dag, er en lov som tar opp i seg det som har vært et stortingsflertalls ønske, og også et forslag fra Høyre som vi er glade for at regjeringspartiene støtter, nemlig forslaget om å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som innholder til og med 4,7 volumprosent alkohol, som nå blir en del av loven. Det, sammen med å tillate auksjon av alkoholdholdig drikk mellom private i regi av Vinmonopolet og å oppheve forbudet mot auksjon av alkoholholdig drikk mellom næringsdrivende er de to mest vesentlige endringene som skjer i loven i dag. Det er ikke noen revolusjon i alkoholloven vi her står foran. Innstillingen viser også at det er bred tilslutning i Stortinget til en restriktiv alkoholpolitikk i Norge, der en vektlegger veldig sterkt Vinmonopolets og reklameforbudets betydning for å holde alkoholforbruket nede, men samtidig erkjenner at alkohol er en lovlig vare, men ikke en vanlig vare. Det standpunktet står solid i Stortinget, og det er jeg glad for. Et av de forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet dessverre blir stående alene om, er forslaget om at Vinmonopolet skal likebehandles med butikker som har salgsbevilling for salg av alkohol. I dag tror jeg det framstår som rimelig meningsløst at det er mulig å kjøpe øl på julaften, påskeaften og pinseaften, men at det ikke er mulig å kjøpe vin de samme dagene. samme dagene. Vinmonopolet, som veldig ofte ligger på kjøpesentre, ved siden av matbutikken, har rullgardinene nede når matbutikken har åpent. Jeg tror at tilslutningen til Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk redskap står så sterkt i befolkningen nettopp fordi Vinmonopolet har å tilpasse seg en ny tid, f.eks. gjennom selvbetjente pol. Hadde Vinmonopolet i dag framstått som det gjorde på 1970-tallet, tror jeg det hadde vært en viktig politisk sak i Norge å avskaffe Vinmonopolet. Heldigvis er det ikke slik. Men jeg mener at vi må passe på at den utviklingen fortsetter. Et viktig bidrag til det ville vært å la Vinmonopolet ha åpent disse dagene. Så henger det fortsatt igjen forbud mot salg av alkohol på valgdagen. Stortinget har for flere år siden opphevet forbudet mot skjenking av alkohol på valgdagen. Det framstår som relativt kuriøst at man fortsatt har et forbud mot salg av alkohol på valgdagen. Det må sies å ha kun symbolsk betydning. Det er en av de tingene en del folk blir veldig overrasket over over – man kommer på valgdagen og har tenkt å kjøpe vin eller øl, i butikk eller på Vinmonopolet, og så er det stengt den ene dagen. Det er en modernisering av alkoholloven som Høyre og Fremskrittspartiet dessverre står alene om å foreslå. Vi har rett og slett problemer med å forstå at ikke stortingsflertallet kunne ha sluttet seg til det. Presidenten vil ellers bemerke at det kan være en fordel å være i salen når man skal ha ordet i en sak.

Dette står heilt sentralt i alkohollovgjevinga i Noreg. Innføring av ei lovfesta maksimaltid for skjenking av alkoholhaldig drikk blei vedteke i 1997 på bakgrunn av stadig lengre opnings- og skjenketider. Kommunane står fritt til å utvida skjenketidene utover normaltida som er frå 08 til 01, men innanfor maksimaltida som i dag er frå 06 til

rammer. Senterpartiet stør ikkje Høgre og Framstegspartiet sine forslag om å utvida rammene til det som i praksis vil vera døgnservering av alkohol i samfunnet. Det må finnast viktigare helsepolitiske saker å kjempa for, også for Høgre og Framstegspartiet. Senterpartiet meiner at regulerte skjenketider er eit sentralt og effektivt alkoholpolitisk verkemiddel for å redusera alkoholkonsumet og dermed skadeverknadene som følgje av alkoholbruk. Vi har programfesta ein times reduksjon i maksimal skjenketid. Dette forslaget var òg ein del av høyringa. Mange høyringsinstansar var positive til forslaget. SIRUS konkluderte med følgjande: «Forskningslitteraturen på dette feltet er ikke veldig sterk, men i sum peker funn fra gode studier i retning av at en begrensning i skjenketidene vil kunne føre til en reduksjon i sosiale problemer som ofte er forbundet med Regjeringa går ikkje imot dette forslaget, men ho fremjer det ikkje på noverande tidspunkt. Det blir vist til at det innan kort tid vil bli lagt fram forsking som vil vera relevant for spørsmålet, i og med at SIRUS no ser på samanhengen mellom vald og skjenketider i dei 30 største byane. Andre tema som regjeringa har vurdert i denne saka, er nasjonale retningsliner for inndraging av bevilling, vurdering knytt til bruk av provokasjon, politiets rolle i bevillingssaker og ei vurdering av behovet for umiddelbar inndraging av bevilling. Desse forslaga har jo gode intensjonar, men dei reiser òg viktige og prinsipielle motargument. Senterpartiet sluttar seg til at vi ikkje går inn på desse forslaga no. Det som først og fremst er viktig, er at kommunane og dei folkevalde der ute må ansvarleggjerast i alkoholpolitikken. Den nye folkehelselova som regjeringa nettopp har fremma, vil forhåpentlegvis bidra til auka fokus på akohol- og skjenkepolitikk i eit folkehelseperspektiv, og ikkje i eit næringsperspektiv. Senterpartiet meiner det heilt klart er eit stort potensial for å betre kontroll- og Alkohollova gjev i dag kommunane allereie svært gode kontroll- og reaksjonsmoglegheiter. Det er viktig at kommunane tek desse i bruk. Det er behov for å auka kunnskapen om og bruken av verkemidla. Eg synest det er positivt at departementet er så tydeleg på at dei skal følgja opp kommunanes praksis med kontroll av sal- og skjenkebevillingane. Alle partia i komiteen har i merknadene meint at det er ein klar for dagens lovgjeving at kommuane tek denne delen av sitt ansvar på alvor. Ein samla komité ser med bekymring på meldingar om at brot på skjenkereglane ikkje blir følgde opp av strenge nok sanksjonar, slik alkohollova legg opp til. Det er positivt at kommunane no skal kunne påleggjast plikt til å gje informasjon om forvaltinga av alkohollova.

Høgre og Framstegspartiet foreslår å endra alkohollova slik at Vinmonopolet får lov til å ha ope bl.a. på julaftan, på pinseaftan og på valdagen for å bli likestilt med butikken. Eg har ikkje forstått at dette er noko folkekrav, og at folk har problem med å skjønna kva tid Vinmonopolet er ope eller ikkje ope. Senterpartiet er veldig imot dette forslaget. Folkeparti sitt forslag om merking av alkoholhaldig drikk er vi positive til, og regjeringa har i Nasjonal helse- og omsorgsplan varsla at dette vil bli vurdert i samband med stortingsmeldinga om ruspolitikk. Jeg tar ordet for å understreke en merknad i komitéinnstillingen som hele komiteen stiller seg bak, og

følge opp skjenkestedene, følge opp at skjenkereglene og skjenkelovgivningen blir overholdt. Når dette er tatt opp, er det fordi man har fått meldinger om, og registrert, at dette ikke er blitt fulgt opp av kommunene i stor nok grad. Da er det viktig at helseministeren poengterer nettopp det overfor kommunesektoren. Men så kommer det også i merknaden, noe som har en dimensjon utover alkoholpolitikken, nemlig det noe som har en dimensjon utover alkoholpolitikken, nemlig det at komiteen også understreker at det kan vises til eksempler på diskriminering på bakgrunn av etnisk bakgrunn, seksuell orientering, funksjonsevne og lignende. Også det det er tatt opp her, fordi vi dessverre i dette landet har observert, og registrert, at den type diskriminering forekommer – ikke blant det store flertallet, men dessverre på svært mange skjenkesteder. Og dét skal også være en grunn til å kunne inndra bevillinger, og kommunene har et særlig ansvar for å

et viktig ansvar når det gjelder å påse at det ikke foregår diskriminering på skjenkestedene. Jeg er Jeg er glad for at komiteen støtter forslagene i proposisjonen som nå er lagt frem for Stortinget. Det foreslås mange viktige endringer i alkoholloven. Disse er bl.a. tilrettelegging for salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk og med 4,7 volumprosent, auksjon i regi av Vinmonopolet, presisering av aldersbestemmelsene og å legge til rette for innhenting av statistikkinformasjon. Det er bra at Stortinget i dag skal behandle forslaget om en ordning for tillatelse til tilvirkning av alkoholholdig drikk til og med 4,7 volumprosent for salg i egen virksomhet. Den foreslåtte ordningen er lik ordningen med skjenking i egen virksomhet. Slik kan vi legge til rette for lokal produksjon uten å komme i konflikt med viktige folkehelsehensyn og uten å utfordre vinmonopolordningen. Det er viktig at komiteen går inn for en ordning med auksjon i regi av Vinmonopolet. For å sikre alkoholpolitikkens legitimitet må det finnes Auksjonsordningene vil bidra til å sikre forsvarlig omsetning av alkoholholdig drikk. For å sikre folkehelsehensynet er det likevel viktig at det ikke åpnes for omsetningskanaler i større grad enn det som er nødvendig. Jeg er derfor glad for at komiteens flertall støtter kravet om at potensielle kjøpere skal registrere seg for å få tilgang til informasjon om slike auksjoner. Jeg vil gjerne si litt om Regjeringen har ikke fremmet forslag om å innskrenke skjenketiden nå. Fra internasjonal forskning vet vi at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og skadeomfang generelt når det gjelder skjenketider, men vi har begrenset kunnskap om konsekvensene av mindre endringer i skjenketiden her i Norge. Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, holder på med en undersøkelse av sammenhengen mellom vold og skjenketider i de 30 største byene i Norge.

De siste årene har det vært betydelig mer oppmerksomhet rundt å bedre kontrollen med salgs- og skjenketider. Vi skal fortsatt legge vekt på dette i årene fremover, innenfor rammene av alkoholloven. Sentrale myndigheter kan, og skal, legge til rette for god kontroll. Det er likevel helt sentralt at kommunene er seg bevisst sitt ansvar på dette området. Det er de som har ansvar for å utføre kontroll med Jeg har merket meg at komiteen ønsker å innføre STAD i norske storbyer fra 2012. STAD-prosjektet fikk gode resultater i Stockholm. Det baserer seg på tre Vi skal derfor hente inspirasjon og erfaringer fra STAD. Så mener jeg det er viktig å vurdere om det er særskilte sider ved norsk lovverk, ansvarsfordeling og allerede igangsatte prosjekter som gjør at vi bør tilpasse modellen noe. Vi må legge vekt på å få på plass ordninger som passer alle kommuner, uansett størrelse og utfordringer, og jeg har derfor bedt Helsedirektoratet vurdere hvordan vi kan hente erfaringer fra det svenske STAD-prosjektet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med informasjon om hvordan dette best kan gjøres, når Helsedirektoratet har vurdert alle sider ved prosjektet. Det blir replikkordskifte. I mitt innlegg var jeg innom Grans Bryggeris VM-øl, og Svein Flåtten fra Høyre har tidligere sendt et skriftlig spørsmål til

reklameforbudet. Fremskrittspartiet imøteser en gjennomgang og debatt om akkurat det temaet, og lurer på når helseministeren mener at dette arbeidet vil være ferdig. Når det gjelder hva som er reklame, og hva som er informasjon, er det ikke alltid veldig enkelt å skille det ene fra det andre. er reklame, og hva som er informasjon, er det ikke alltid veldig enkelt å skille det ene fra det andre. Reklameforbudet i seg selv er faktisk veldig viktig å opprettholde. Og så ser jeg at det kan være overganger mellom disse som kan være ganske krevende. Men like fullt er det viktig at vi opprettholder reklameforbudet og gjør det vi kan for å opprettholde det, både med hensyn til Vinmonopolet Men like fullt er det viktig at vi opprettholder reklameforbudet og gjør det vi kan for å opprettholde det, både med hensyn til Vinmonopolet – å beholde monopolordningen – og med hensyn til det som har vært en veldig viktig del av alkoholpolitikken i Norge, nemlig å sørge for at reklame også bidrar til

Det gjør igjen at for enkelte er det en selvstendig idé å ha muligheten til å avpasse innkjøp etter sinnsstemning der og da. Mener statsråden at det er det allmennpreventive hensyn som ligger til grunn for at man ikke åpner opp for salg av alkohol via Vinmonopolet på

Det har vært en regel at det ikke selges alkohol på valgdagen og på enkelte andre dager. Jeg kan altså ikke se at det er noe folkekrav å endre på dette. Slik som Vinmonopolet er innrettet nå, hvor Vinmonopolet har salgssteder i mange flere kommuner, er det faktisk ganske god tilgjengelighet på alkohol. Jeg kan heller ikke se at dette skal være det største problemet når det gjelder endringer i alkoholloven. Statsråden har i sitt svar og tidligere vist til at det foretas en større kunnskapsinnhenting. Jeg vil gjerne spørre statsråden om to forhold, nemlig om regjeringen kan komme til å foreslå en innskjerping av skjenketidene i inneværende periode, og hvorvidt det er næringshensyn eller helsehensyn som vil være tyngst veiende i så måte. Som helse- og omsorgsminister har jeg et ansvar for alkoholloven og alkoholpolitikken i et helsemessig perspektiv. Så lyttet jeg veldig nøye til representanten Ryggs innlegg i stad, og da mente Rygg at det var en veldig unison tilbakemelding på at man burde innskrenke skjenketidene. Da må jeg bare vise til den høringsuttalelsen som kom fra den byen som både Rygg og jeg kommer fra, nemlig Bergen, hvor man begynner med at «det er av stor betydning at det lokale selvstyret blir opprettholdt». Her er Kristelig Folkeparti faktisk i byråd sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Bergen har lagt veldig sterk vekt på at det bør være opp til kommunen selv å sette begrensningene innenfor maksimaltid.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 i debatten så langt som har sett aspektet ved at utelivsnæringen faktisk er en av våre fremste forlystelsesnæringer, at utelivsbransjen faktisk er en av

som hver eneste uke benytter seg av det tilbudet som finnes, gjerne populært sagt «på byen». Det er ikke én som så langt har tatt ordet for å se det henseendet – det skuffer. Det har likevel vært flere som har snakket om det lokale selvstyret. Men hva er det lokale selvstyret med statlige maksimaltider? Og hva betyr det i klartekst? Klarteksten er at mennesker feststemt sendes hjem for å feste videre. Det er essensen av en statlig maksimaltid. Det betyr at man får taxikøer, man får store oppsamlinger av mennesker ved kiosker og andre utsalgssteder, og man får mer bråk enn nødvendig. Når politiet argumenterer for å innskrenke dagens skjenketider enkelte steder, gjør de det fordi det legges til grunn en statlig maksimaltid, ikke fordi det er det som er det primære ønsket.

å gå hjem på det tidspunktet de selv ønsket, og ikke minst at det var utestedene selv som sto for kontrollen – med en sterk skjenkekontroll og med en sterk kontroll av hvem som totalt sett får lov til å skjenke, men i lovlige former. Det som stortingsflertallet ikke ser, men som er helt åpenbart, er at når mennesker tvinges hjem,

økte volden. Her er det ingen entydige beslutninger som kan legges til grunn ut fra den statistikken vi har per nå. Jeg skal bare kort gjøre rede for Venstres stemmegiving i denne saken. Den henger i og

som går ut på å gi mer makt lokalt. Sånn sett tror jeg man får til bedre løsninger, man ivaretar at man i det norske samfunnet har forskjellige behov, at samfunnet er forskjellig bygd opp og har forskjellige utfordringer. For noen år siden var denne byen styrt av andre makter enn det styres med nå. Da hadde vi også en annen skjenkepolitikk, og vi hadde en monopolpolitikk innenfor taxinæringa. På den tida døde det ca. fire i taxikø hvert år, på grunn av konflikter som oppsto når alle skulle ut samtidig, alle skulle hjem samtidig og taximonopolet gjorde var minimalt med taxier å oppdrive. Derfor mener jeg at når man lokalt har ulike utfordringer, bør det også være lokalt man bestemmer hvordan utfordringene skal takles. Derfor bør kommunene ha makt til å bestemme skjenkereglene. Vi kommer også til å stemme for forslag nr. 2, som vi bare regner som en normal, logisk utvikling i forhold til alle de andre vedtakene som er gjort i denne sal. Jeg må si at når vi ser tilfanget av både skjenking og Jeg må si at når vi ser tilfanget av både skjenking og annet alkoholsalg, er det underlig å si at man ikke skal få lov til å handle på valgdagen. Det er også endringer i valgloven som gjør at man ikke så lett kan vise bort folk. Det er ikke snakk om at vi tar bort valgmuligheten for folk. Dette mener jeg er logiske følger av tidligere vedtak, så vi kommer til å stemme for forslag nr. 1 og forslag nr. 2. Det er

noe av sitt hovedargument mot en innskjerping av skjenketidene. Vi mener det må være ganske klart at det er ikke næringsinteresser som skal veie tyngst når vi vurderer maksimaltidene for skjenking. Der er vi veldig enige med representanten Kjersti Toppe, som trekker fram nettopp helseperspektivet. Da er det også like forunderlig at vi ikke lander på samme konklusjon. Jeg velger å tolke statsråden positivt når hun ikke svarer på hvorvidt det vil komme et nytt forslag i denne perioden. Vi tror nemlig at fakta til slutt vil føre til en beslutning som vil gjøre byene våre tryggere. I Bergen har man redusert skjenketidene med en halvtime. Det reduserte volden, og politiet sier at sammenhengen er krystallklar. Denne reduksjonen er så viktig å se til er så viktig å se til og så viktig for de menneskene det gjelder, at Stortinget har et ansvar for det. Jeg er optimistisk på vegne av det som skal skje framover. Vi imøteser den kunnskapsinnhentingen som statsråden legger vekt på, og tror at også fakta her vil føre til at vi får en beslutning som gjør byene våre tryggere. No er tryggere. No er situasjonen sånn at Venstre, Høgre og Framstegspartiet i dag fremmar forslag om å auka eller fjerna maksimal skjenkjetid. Eg sa i innlegget mitt i stad at i dag er det sånn at det berre er tre timar i døgnet det ikkje er lov å servera. Dette synest opposisjonen er for tronge rammer til å driva ein lokal skjenkjepolitikk. Eg synest det er uforståeleg. Så til Filip Rygg og Kristeleg Folkeparti. Det er komme ein del kritikk mot Senterpartiet for at vi ikkje har fått igjennom ein ein reduksjon. Men alvorleg talt, no er situasjonen sånn at viss ein ser seg rundt på dei andre partia, så må jo Kristeleg Folkeparti komma til oss, for vi er trass i alt opne for å gjera dette i framtida. Vi går ikkje inn for å fjerna maksimal skjenkjetid. Situasjonen er ein heilt annan enn kanskje både eg og Filip Rygg kunne ønskje oss. Til slutt er det sånn, som òg statsråden var inne på, at ting er vanskelege. Kristeleg Folkeparti sit i fleirtal i Bergen by, som ikkje berre har sagt i høyringsfråsegna si at lokalt sjølvstyre er viktig, men dei seier at ein reduksjon av maksimal skjenkjetid vil føra til auka vald. Det var beskjeden vi fekk frå Bergen by.

utfallet. Det beklager jeg sterkt, men dessverre, når politiet heller ikke er til stede, så er det et utfall man har sett så altfor mange ganger. For Høyres del har vi ikke næringsinteressene som prioritet nr. 1. Vår hovedinteresse er folk flest. Som jeg sa i hovedinnlegget mitt, er det de hundretusener av mennesker som bruker

og stedet stenger kort tid etterpå. Det er ikke nattklubb for de aller fleste. Jeg synes det er problematisk at de som til syvende og sist tar beslutningene knyttet til skjenketider, ikke beveger seg ute på dette tidspunktet, ei heller er ute på de utestedene som vi faktisk snakker om. Det er også – igjen – forunderlig å høre Senterpartiet snakke om det lokale selvstyret når det betyr at det skal være innenfor et sett definerte statlige regelverk. For meg er statlige regelverk ikke forenlig med et lokalt selvstyre. Jeg ønsker et reelt selvstyre, et selvstyre som får lov til å bestemme om man skal slutte å skjenke kl. 24.00, eller, for den saks skyld, kjøre det gjennom hele døgnet, hvis det er det man ønsker. Det samme bør kunne gjøres når det gjelder alkoholsalg i butikk. Det er ingen grunn til å legge til grunn en statlig maksimaltid for det heller. Til Asphjell, som tidligere sa at det var en klar sammenheng mellom antall utsalg, pris, skjenketider og konsum, vil jeg si at det igjen er en klar sammenheng mellom beskrankninger med hensyn til antall utsalg, hjemmebrenning, drikking på

fordi jeg mener at vettet er ganske godt fordelt, og demokrati er en ganske fin måte å styre landet på. Hvis man i en kommune ikke ønsker å ha skjenking, er det helt i orden for meg. Da velger man de lokalpolitikerne som ikke vil ha skjenking. Og hvis man vil ha en stor differanse når det gjelder skjenking, velger man lokalpolitikere som bestemmer det. Jeg kan godt innrømme at jeg er fanatisk for lokaldemokrati, men

det er en enorm entusiasme partiet legger for dagen for statlig styring over kommunene. Jeg mener at vettet er godt fordelt utover dette landet. Jeg mener at mange lokalpolitikere har gode visjoner for hvordan deres lokale kommuner kan være. Jeg tror at de har mye mer kunnskap om hvordan et godt uteliv fungerer i balanse, og alt dette syns jeg de skal få lov til å bestemme, for de er de beste til å bestemme dette, for de er nærmest, og fordi vi er for lokaldemokratiet. Det var representanten Skovholt Gitmarks to innlegg som fikk meg til ta ordet, for det var en hyllest til en liberal skjenkepolitikk nærmest uten stengetider. Jeg sto her i Stortinget – det er ikke veldig lenge siden – dagen etter at det hadde vært et Brennpunkt-program på fjernsynet som viste litt av skjenkingen, eller skal vi si overskjenkingen, i Oslo, og det ekstreme bråket som var utenfor skjenkestedene. skjenkestedene. Det er ikke politiets ansvar å overholde skjenkebestemmelsene i Oslo. Det er det Oslo kommune som skal kontrollere, og det er selvsagt skjenkestedene som skal overholde lovverket i den sammenheng. Det er viktig å presisere dette, for synlig politi i gatene men det må ikke bli slik at politiet skal overta absolutt alle oppgaver. Dette er Oslo kommunes og lokalpolitikernes ansvar, og sånn sett er jeg veldig opptatt av at hvis vi først skal ha en maksimaltid til kl. 03.00, så står det Oslo fritt å stenge både kl. 23.00, 24.00, 01.00 og 03.00, hvis man ønsker å gjøre det, og differensiere innenfor disse rammene. Det kan altså ikke være så vanskelig.

har en uvettig ressursbruk også i forhold til politiet. Skovholt Gitmark sier også at Høyre representerer folk flest. 62 pst. av folk flest ønsker en reduksjon, og flertallet av kommunene som svarte, ønsket også en reduksjon. Så er det riktig at det er ulike meninger rundt spørsmålene. Men det er altså et flertall blant folk flest, og da er mitt spørsmål til Høyre: Hvem er det man egentlig representerer, når man så ivrig ber om lengre skjenketider? Vi har få store debatter igjen i Norge som engasjerer både hodet og hjertet. De beste debattene i min tid har debatter igjen i Norge som engasjerer både hodet og hjertet. De beste debattene i min tid har vært EEC/EU-debattene og alkoholdebattene. Alkohol er et ekstremt avhengighetsskapende molekyl. Jeg er ikke avholdsmann, men dette kjemiske faktum kan faktisk påvirke mine tanker og mine vurderinger når jeg deltar i slike debatter. Representanten Bent Høie sa at alkohol er et lovlig stoff, men behøver ikke å være et vanlig stoff i vårt samfunn, og det synes jeg var godt sagt. I videre debatter, i videre arbeid med disse problemstillingene, kan vi velge å se på alkoholutfordringene med veldig vitenskapelige briller, eller bare med vanlig godt åpne øyne. Hvis jeg bruker det siste, har jeg lyst til å trekke fram tre forhold. Først vil jeg gjenta: Alkohol er et av de mest avhengighetsskapende stoffer i vår samtid. Alkohol er også den største helseutfordringen i vår samtid. Utfordringene knyttet til narkotika ser vi på gaten. Utfordringene knyttet til alkohol er i det vesentlige gjemt bort i hjemmene. hjemmene. Det tredje jeg har lyst til å ta opp, er at dette ofte går ut over helt uskyldige mennesker. Det er et stort antall barn i Norge som opplever utrygghet og frykt i sin oppvekst. Dette er ofte knyttet til tider som for de fleste av oss er hyggelige og gode: til helg og til høytid. Det vil være tusenvis av barn som i den høytiden vi nå går inn i og skal glede oss over, opplever det motsatte av glede på grunn av utrygghet og frykt i sine hjem. Peter Skovholt Gitmark skal glede oss over, opplever det motsatte av glede på grunn av utrygghet og frykt i sine hjem. Peter Skovholt Gitmark har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er grunn til å spørre de 62 pst. som ønsker en reduksjon av skjenketidene, om hvor mange som er til stede på skjenkestedene, ser at det er både vakter og dørvakter som står for sikkerheten på stedene. Det er minimalt med bråk på selve skjenkestedene. Det er i min egen hjemkommune lite bråk knyttet til utgangen på skjenkestedene, nettopp fordi man har dyktige Men hvis dørvaktene ikke er dyktige, eller, for den saks skyld, hvis man beveger seg videre til kioskkøer uten vakter eller til stoppesteder for taxier, ja da får man betydelig bråk, spesielt når det synlige politiet ikke er

men vi vil avvente resultatet i forbindelse med at SIRUS nå gjennomfører en stor undersøkelse i 30 byer i landet. Trondheim kommune har gjort dette innenfor den forskriften de har, og det har vært positive effekter. Det har ikke bidratt til at det har blitt større køer ved taxistasjonene eller mer vold ved taxikøene, men det har bidratt til at folk har kommet seg ut på byen litt tidligere. I stedet for at ungdom går ut på byen kl. 01 og 02 og 03 om natten, går de kanskje ut en og to timer tidligere. Det synes jeg må være en positiv utvikling. Når det gjelder lokaldemokratiet, er jeg veldig enig med Venstre i at vi skal dyrke lokaldemokratiet og at vi har mange folkevalgte som gjør en kjempegod jobb. Da røykeloven ble innført Norge og det ikke skulle være lov til å røyke på restauranter osv., kunne vi ha brukt det samme argumentet om at lokaldemokratiet kan få være med på å bestemme her også. Men nei, det er viktig i statens helsepolitikk at vi trekker opp noen rammer som bidrar til bedre og at det skal være rammer rundt hvordan lokaldemokratiet i landets 430 kommuner skal jobbe. Lokaldemokratiet har også muligheten til å si hvor mange skjenkesteder man skal ha i en kommune. Det er viktig med skjenkekontroll. Det er viktig når man får en skjenketillatelse, at den blir overholdt. Det skal også være vanskelig å få den tilbake hvis man bryter reglene knyttet til dette, om det er skjenking av mindreårige osv. Jeg er veldig enig i det representanten Are Helseth sa, at alkohol er noe av det mest avhengighetsskapende vi har. Hvordan skal vi da bidra? Er det lengre åpningstider, rimeligere alkohol, større tilgjengelighet som skal bidra til at vi skal få et mindre forbruk? Ellers i Europa ser vi nå at forbruket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

Denne bransjen har ikke bare potensial til å bidra til å bedre folks liv og helse gjennom de produkter de utvikler, men de vil også kunne bidra til Norges velferdssystem gjennom at de skaper arbeidsplasser og derigjennom skatteinntekter. Forslagsstillerne ønsker at myndighetenes forskningssatsing i større grad bør ses i en næringspolitisk sammenheng ved at den blir fulgt opp av en strategi for økt verdiskaping og verdisatsing samt at norsk legemiddelindustri blir bra posisjonert både nasjonalt og internasjonalt. For eksempel viser erfaringene med Oslo Cancer Cluster det potensialet som ligger i norsk biomedisinnæring også i et globalt perspektiv. Forslagsstillerne mener norske myndigheter bør utarbeide en helhetlig og langsiktig strategi for biomedisin. Det uttales at en slik strategi bør omfatte en målrettet og helhetlig innretning av virkemiddelapparatet med et skarpere fokus på nytteverdi og kommersialisering. Et av flere poeng det vises til, er at incentivordningene som skal stimulere til økt forskning i helsetjenesten, også bør omfatte samarbeidsprosjekter mellom industrien og Det framholdes at sektoren krever et tett samarbeid med akademia og helsesektoren, og at den i tillegg er helt avhengig av et samspill med helsesektoren i utviklingsprosessen for å kunne kvalitetssikre preparatene. I den anledning er det viktig at biomedisin også anerkjennes som en næring og at det fokuseres på dennes ansvar og muligheter til å skape arbeidsplasser, og derigjennom også verdier for eierne og skatteinntekter for samfunnet. I den anledning er jeg glad for at hele komiteen mener at det er fullt mulig å vurdere ovennevnte ordninger separat og som et spesifisert område, samtidig som man tar hensyn til støtte også til andre sektorer og næringer. Derfor er det viktig med en økt satsing på tilgang til kapital i alle faser av selskapets og ikke minst produktets utvikling. Fremskrittspartiet er også veldig glad for at hele komiteen mener at en viktig suksessfaktor for å lykkes innen biomedisin vil være at Norge også ligger i forkant når det gjelder utprøvende medisin og behandling. Den såkalte Jonas-saken er et godt eksempel på at Norge ligger etter med hensyn til utprøvende medisin. Medisin og behandling som i utlandet er godkjent til utprøvende bruk, kan, og er, en siste mulighet for mange. Dette er i svært mange tilfeller fratatt norske pasienter som en mulighet. Norge ligger langt fremme generelt sett, men på dette området er vi en sinke. Det er ikke bra. Det er ikke bra for Norge, det er ikke bra for næringen og sist, men ikke minst: Det er ikke bra for pasienten. Dette forslaget, behandling og høringer viser til fulle behovet for en ny legemiddelmelding, slik at Stortinget kan se legemiddelpolitikken samlet og dermed også styrke virkemiddelapparatet innen biomedisin. I denne saken har alle vært opptatt av at ordningen med bytte av legemidler blir opprettholdt, og at formålet Det er samtidig viktig at ordningen med bytteliste sikrer kunder legemidler med samme virkestoff, og at pasienter kan få en individuell vurdering når medisinske grunner tilsier det. For Fremskrittspartiet er det også viktig at valg av medisin i utgangspunktet er en sak mellom pasient og ens lege. Fremskrittspartiet merker seg at alle mener at bytteordningen bør vurderes, ettersom det nå er mer enn ti år siden lovforslaget ble vedtatt av Stortinget. Stortinget. På denne bakgrunn vil jeg få ta opp de forslagene som er i saken, og jeg anser dem som referert. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til.

Et solidarisk og felles tilbud må utvikles i offentlig regi. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Forslagsstillerne tar opp viktige spørsmål og forslag i dokumentet som gjelder norsk strategi om hvordan man skal videreføre regjeringens arbeid med å utvikle biologiske legemidler spesielt. Komiteen er i likhet med regjeringen og statsråden opptatt av at medisinsk og helsefaglig forskning fortsatt skal være et prioritert område i Norge. Komiteen mener at spesielt satsingen på biomedisinsk forskning og næringsrelevant forskning er viktig. Kombinasjonen av forskning, klinisk behandling, gode registre samt samarbeid med industrielle og kommersielle aktører har vist seg å være en god modell. Komiteens flertall vil vise til statsrådens svar av 2. februar 2011, hvor hun understreker: «Medisinsk og helsefaglig forskning er, og skal fortsatt være, et prioritert område i regjeringens forskningspolitikk og i innovasjonspolitikken.» Regjeringens oppfølging av forskningsmeldingen gjennom ulike programmer og aktiviteter viser at regjeringen er i gang med et arbeid knyttet til en nasjonal strategi for bioteknologi.

Komiteen viser til statsrådens svar, hvor det bl.a. står: «Siden legemiddelområdet er i kontinuerlig utvikling og det nå er mer enn ti år siden lovgrunnlaget for bytteordningen ble vedtatt av Stortinget, ser jeg at det er behov for en ny gjennomgang av lovgrunnlaget.» komiteen ser ikke behov for en helt ny legemiddelordning, men at statsråden på egnet måte kommer tilbake til Stortinget etter at den meldte gjennomgangen av lovgrunnlaget for bytteordningen er gjennomført. Komiteen er opptatt av at ordningen med bytte av legemidler blir opprettholdt, og at formålet med innføringen blir ivaretatt. Denne ordningen sikrer økt konkurranse og lavere priser på

vi har et helsevesen som er i god stand til å kunne samarbeide med næringen når det gjelder utvikling av ny kunnskap. Det burde vært lagt til rette for at dette kunne bli en viktig næring i Norge. Men dette er ikke bare næringspolitikk. Det er ikke minst også viktig å huske at legemiddelindustrien først og fremst driver med pasientbehandling, og at veldig mye av den behandlingen som foregår i helsevesenet i dag, er basert på forskning og utvikling som skjer i regi av denne industrien. Industrien har dessverre altfor ofte fått søkelyset på seg for helt andre forhold enn det som er kjernevirksomheten: å hjelpe mennesker til å bli friske eller å leve bedre med sykdom. Det er grunn til å være glad for den innstillingen som vi har til behandling i dag. Jeg vil også takke saksordføreren for å ha gjort en veldig grundig jobb, og også for at en har klart å samle et så bredt politisk flertall. Denne innstillingen er i stor grad preget av at det er en enstemmig komité som legger ganske klare føringer for en betydelig mer offensiv politikk på dette området enn det som har vært tilfellet tidligere. Komitéinnstillingen er er også mye mer offensiv enn det som statsrådens brev til komiteen i utgangspunktet la opp til. Jeg vil bare f.eks. trekke fram merknaden som sier: «Komiteen merker seg at innspillsrunden etterspør en overordnet strategi, men deler ikke synet om at dette innspillet Komiteen ser behovet for en raskere og mer proaktiv holdning til denne forskning og industri.» Dette er faktisk en enstemmig komités merknad til statsrådens svar. Det betyr at jeg opplever at det er en enstemmig komité som er svært utålmodig på dette området. Jeg vil også vise til at komiteen mener at det er fullt mulig å vurdere spørsmålet knyttet til ulike næringspolitiske virkemidler for denne næringen som et separat og spesifisert område, samtidig som man tar hensyn til andre næringer og andre sektorer – altså mye mer offensivt enn det som i utgangspunktet var regjeringens politikk. Ikke minst er det svært gledelig at komiteen mener at svaret fra statsråden med all tydelighet viser at er behov for en ny legemiddelmelding, slik at Stortinget kan se legemiddelpolitikken samlet og dermed styrke virkemiddelapparatet innen biomedisin. Jeg ser fram til at statsråden redegjør for når Stortinget eventuelt kan vente seg en slik stortingsmelding. Siden denne saken ble behandlet i komiteen, har det også falt dom når det gjelder bytteordningen knyttet til biomedisin. Det vil derfor være interessant å høre statsrådens vurdering av dette, nettopp fordi den dommen er med på å understreke betydningen av at en nå får en ny gjennomgang av bytteordningen, og ikke minst får en politisk forankring av hvordan bytteordningen skal forholde seg til biomedisin. fordi den dommen er med på å understreke betydningen av at en nå får en ny gjennomgang av bytteordningen, og ikke minst får en politisk forankring av hvordan bytteordningen skal forholde seg til biomedisin. Her har det statlige apparatet åpenbart lagt til grunn en tolkning av den eksisterende loven som rettssystemet ikke har gitt sin tilslutning til. Da er det fornuftig at den type vurderinger kommer tilbake igjen til at det er viktig at en får en gjennomgang av bytteordningen, fordi det nå er ti år siden den ble vedtatt. Så selv om en her fra opposisjonens side fremmer forslag, er det all grunn til å være fornøyd med en innstilling som har så bred tilslutning. I mitt svarbrev til komiteen datert 2. februar i år viser jeg til at medisinsk og helsefaglig forskning og innovasjon er

så bred tilslutning. I mitt svarbrev til komiteen datert 2. februar i år viser jeg til at medisinsk og helsefaglig forskning og innovasjon er løftet frem som prioriterte områder i regjeringens forskningspolitikk og i innovasjonspolitikken, og at dette følges opp gjennom ulike aktiviteter. I forslaget til ny nasjonal helse- og omsorgsplan for 2011–2015 fremheves satsingen på helsefaglig forskning og innovasjon – som også omfatter som en viktig del av departementets arbeid for å sikre kvalitet og kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås at det bør utarbeides en overordnet nasjonal strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon, foreløpig kalt HelseOmsorg 2021. Jeg mener fremdeles at biomedisinsk forsknings- og næringsutvikling bør vurderes i denne sammenheng. Jeg har merket meg at komiteen ønsker seg en mer offensiv holdning til biomedisinsk forskning og industri. Det utarbeides nå en helhetlig nasjonal bioteknologistrategi i tråd med føringer i forskningsmeldingen. Kunnskapsdepartementet leder dette arbeidet. for den videre utvikling innen bioteknologisk forskning og innovasjon. Det vil være naturlig å omtale biomedisin i denne strategien. Komiteen peker på at det er viktig at Norge ligger i forkant med kliniske studier og utprøvende behandling. Departementet har jobbet systematisk de senere årene for å tilrettelegge for kliniske studier. Norge har også tatt initiativ til etablering av et nordisk samarbeid om kliniske studier gjennom Nordisk Ministerråd for å øke omfanget av kliniske studier ytterligere. Vi har også en langsiktig satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsetjenesten i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet. Spørsmålet om kapitaltilgang og fremtidige offentlige finansierings- og støtteordninger til norsk biomedisinsk næringsutvikling må ses i sammenheng med støtte til andre sektorer og næringer. I mitt svarbrev fremhevet jeg at de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter bør støttes gjennom tilgjengelige ordninger – uavhengig av næring eller sektor. Vi har investeringsfond som legger til rette for investeringskapital i tidlig fase, som Investinor AS. Jeg er kjent med at nærings- og handelsministeren vil legge frem forslag om å tilføre ytterligere investeringskapital til Investinor og forslag om å etablere nye landsdekkende såkornfond. Investeringsfondet skal gjennomgås i denne sammenheng. Jeg mener at de hensyn som komiteens forslag adresserer, er ivaretatt gjennom ulike aktiviteter og initiativ som allerede er satt i gang, f.eks. arbeidet med en nasjonal bioteknologistrategi og at regjeringen derfor har en proaktiv politikk på området. Ordningen med bytte av legemidler i apotek innebærer at pasienten kan få utlevert et billigere legemiddel enn det legen har skrevet ut, såfremt Legemiddelverket har vurdert at legemidlene er medisinsk likeverdige. Apotekets adgang til bytte er en viktig forutsetning for at folketrygden og pasientene skal dra nytte av lavere legemiddelpriser. Jeg er derfor glad for at komiteen poengterer viktigheten av å opprettholde denne ordningen. Jeg har bedt Legemiddelverket om å gjennomgå lovgrunnlaget for bytteordningen, slik jeg informerte om i svarbrevet. Jeg har merket meg at komiteen mener det er avgjørende at en slik gjennomgang blir prioritert. Jeg vil følge opp dette overfor Stortinget på egnet måte, og jeg opplever at dette imøtekommer det som representanten Asphjell her anfører som flertallets syn. Legemiddelindustrien har flere ganger tatt opp spørsmålet om patentvernet for gamle legemidler med norske myndigheter. Industriens bekymring har sitt utgangspunkt i patentloven slik den var før 1992. Jeg legger til grunn at lovgivning og praksis i Norge på dette området oppfyller alle internasjonale forpliktelser og sikrer reell beskyttelse av oppfinnelser. Jeg registrerer at flertallet i komiteen slutter seg til regjeringens syn på dette. Det blir replikkordskifte. Jeg har lyst til å forfølge spørsmålet om utprøvende medisin litt til. Jeg forfølge spørsmålet om utprøvende medisin litt til. Jeg registrerte i svaret at her hadde man kartlagt noe, og man hadde tatt initiativ – i hvert fall i nordisk sammenheng – men jeg synes at dette blir litt for lite. Noe som ble uttrykt veldig, veldig klart i høringene, spesielt fra Oslo Cancer Cluster, ved Einarsson, var at dette er helt essensielt, ikke minst for pasienten, men også først og fremst for næringen, hvis man skal utvikle seg videre. Vi ser i dag mange pasienter som får nei fordi behandlingen eller medisinen ikke er godkjent i Norge. Man kan få det i utlandet, og så får man også ofte nei når man søker om det. Mitt spørsmål er: Hvilke konkrete planer har ministeren for at vi skal bli et offensivt land som også er ledende når det gjelder utprøvende medisin?

en større befolkningsgruppe nettopp å drive utprøvende behandling på. Regjeringen bruker betydelige beløp på dette og vil fortsatt gjøre det. Det er viktig. Men generelt vil jeg si at godkjenning av legemidler skjer parallelt. Det er ikke slik at Norge ligger etter når det gjelder godkjenning av legemidler. I prinsippet skal det skje parallelt. Når det så gjelder utprøvende behandling, er det jo ikke alltid at det er legemidler som er på markedet ennå. Komiteen skriver i innstillingen at en «mener svaret fra statsråden med all tydelighet viser behovet for en ny legemiddelmelding,

er også, etter det jeg forstår, viktig for komiteen at vi foretar utprøvende behandling, at man øker og gjør forsøk på det. Når det gjelder den øvrige strategien, mener jeg at jeg redegjorde for det også innlegget mitt. strategien, mener jeg at jeg redegjorde for det også innlegget mitt. Jeg mener at biomedisinsk forskning skal komme inn under HelseOmsorg 2021. Vi har omtalt legemidler også i helse- og omsorgsplanen og kommer også til å gjøre det i den nye stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

og dermed også styrke virkemiddelapparatet innen biomedisin.» Kommer denne regjeringen til å fremme en ny legemiddelmelding for Stortinget? Det er, som jeg sier, fullt mulig å ta opp legemiddelpolitikken i den nye meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har også omtalt dette i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Den legemiddelmeldingen som vi har, og som vi baserer politikken på, er ikke veldig gammel. gammel. Som jeg sa, forsto jeg representanten Asphjells svar slik at her dreier det seg først og fremst om å få en gjennomgang av lovgrunnlaget for bytteordningen. Det vil jeg selvfølgelig følge opp og videre ta med sentrale problemstillinger og nye problemstillinger i forhold til legemiddelpolitikken i de dokumenter som jeg har nevnt.

jo framgikk av statsrådens svar og replikkvekslingen etterpå. Men den har i høyeste grad også en næringspolitisk og en forskningspolitisk side. Hvis vi ser på forskningen i Norge, er det mye bra som skjer. Noen ganger når vi har forskningspolitiske debatter, ønsker noen av oss litt kraftigere, mer strategisk riktige satsinger for et lite land som Norge. Men det er ingen tvil om at Norge bruker etter måten store offentlige ressurser på forskning. Kunnskapsdepartementet har nettopp publisert Forskningsbarometeret 2011. Det er det første i sitt slag og skal bli en årlig foreteelse heretter, etter det jeg forstår. Det framgår jo veldig klart at medisinsk forskning og helseforskning helseforskning isolert sett er det nest største feltet etter IKT når det gjelder hvor store midler som satses. Men hvis man ser bioteknologi sammen med helseforskning og medisinsk forskning, blir dette samlet det største området, med ca. 8 mrd. kr i samlet offentlig forskningsinnsats. Det er relativt mye penger. Det som slår oss når vi sammenligner Norge med andre land – og vi behøver ikke å gå lenger enn til våre nordiske naboland – både på medisinsk forskning og på forskning generelt, er den enormt store forskjellen når det gjelder resultatene av forskningen, i den forstand at man ser på kommersialiseringsresultatene. Når det gjelder patentering, og når det gjelder annen type kommersialisering, ligger altså

Vi ønsker sterkere samspill og samarbeid mellom private og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. Vi ønsker et sterkere kommersialiseringstrykk innenfor akademia. I dag er nesten ingen incentiver i det hele tatt for å styrke kommersialiseringstrykket innenfor akademia. Potensialet er altså veldig stort, men vi klarer enn så lenge ikke å hente det ut. Dette representantforslaget er ett av flere som Høyre fremmer for å kunne bedre på det. Flere har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

og vi er enige på flere punkter i komiteens innstilling. Derfor opptrer ikke lenger flere av de opprinnelige forslagene, da intensjonene er ivaretatt gjennom flertallsmerknader eller Komiteens flertall slutter seg til helse- og omsorgsministerens vurderinger i brevet som er vedlagt innstillingen, og til statsrådens henvisning til at en rekke av de foreslåtte tiltakene i representantforslaget har vært behandlet av Stortinget tidligere, eller ligger til behandling i Stortinget i forbindelse med Prop. 48 L for 2010–2011, om endring i alkoholloven, som vi nettopp har behandlet. Det er viktig å merke seg at over 60 pst. av de innsatte i fengslene er rusavhengige, og at en stor andel kriminalitet er knyttet til rus. Da er det åpenbart at det beste er å behandle menneskers rusavhengighet enn at de blir gjengangere i straffesystemet. Regjeringen vil styrke helsetilbudet, og Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte å etablere Vi ønsker mer bruk av alternative reaksjoner, som samfunnsstraff, elektronisk hjemmesoning, soning i behandlingsinstitusjon m.m. Det er omsorg å stille krav, og vi vil kombinere alternative soningsformer for å få mennesker tilbake til samfunnet med strenge regler for permisjoner og prøveløslatelser for de hardest kriminelle. Vi finner også grunn til å minne om at kommunene nå er forpliktet til å ta kriminalitetsforebyggende hensyn i sin arealplanlegging, etter endringene som er gjort i plan- og bygningsloven. Der uenighet først og fremst kommer til uttrykk i komiteen, er mellom Fremskrittspartiet og til dels Høyre og flertallet i komiteen med hensyn Alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet viser til den klare og vel dokumenterte sammenhengen mellom tilgjengelighet og forbruk, og sammenhengen mellom alkoholkonsum og helseskade. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti mener videre at politiets syn bør ha avgjørende vekt når det gjelder om det skal gis salgs- og skjenkebevilling eller ikke, og at også andre virkemidler er nødvendige for å redusere vold og uro. Den delen av innstillingen slutter Fremskrittspartiet og Høyre seg ikke til.

Det er også viktig at politiet motiveres til økt forebyggende og trygghetsskapende innsats gjennom etatens måleparametre. Komiteen mener bl.a. videre at det skal være nulltoleranse og rask bøtelegging for mindre alvorlige lovbrudd. Redusert saksbehandlingstid i domstolene og mest mulig effektivitet i domstolene er viktig, og det er derfor positivt at bevilgningene for 2011 har økt på dette området.

I en helhetlig strategi for å forebygge vold er STAD-prosjektet et av mange tiltak som kan benyttes, men det er viktig med ulike tiltak med ulikt innhold, for det finnes ingen fasit på hvordan dette skal bekjempes. Arbeiderpartiet og regjeringen er opptatt av å forebygge bedre. Derfor er forebyggingsstrategien, Fellesskap – trygghet – utjevning, viktig med tanke på å videreutvikle politirådene og etablere målekriterier for forebyggende arbeid. Med gode velferdstilbud for alle kan mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes. Komiteens flertallstilråding er at representantforslaget vedlegges protokollen. Det betyr ikke at komiteen er uenig i forslagene som er reist, men at mange av dem er og vil bli ivaretatt av regjeringen. Kristelig Folkepartis forslag omhandler et ønske om å oppnå økt trygghet i byene. Selv om det er

Det er noen få som klarer å ødelegge tryggheten for de mange, og dette kan vi aldri akseptere. Flere voldtekter i Oslo den siste tiden har dessverre aktualisert forslaget ytterligere. Unge jenter strømmer til selvforsvarskurs, og de tar en rekke forholdsregler før de går ut om kvelden. Dette er bra, men det er likevel synd at de føler at dette er nødvendig. noen som helst måte. Trygghet er helt grunnleggende for et godt liv. Utrygghet fører med seg angst, søvnproblemer og økt sykelighet generelt. Derfor er dette et usedvanlig viktig tema. Jeg vil derfor også appellere til våre kommunestyrer og lokalpolitikere om å ta denne diskusjonen lokalt. Det er ingen tvil om at synlig politi er svært viktig og helt avgjørende. Der får regjeringen ta sitt ansvar for de manglene vi har der. Samtidig er det mange andre tiltak man kan gjøre lokalt for å bidra til å øke tryggheten for innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Da handler det om opplyste veier og plasser, godt utbygd kollektivtilbud og nok drosjer. Det handler om gode fritidstilbud og gode holdninger. Mye av volden har dessverre sammenheng med overforbruk av alkohol. Derfor er det viktig å ha virkemidler som fungerer, og virkemidlene må brukes. For Fremskrittspartiet har det vært viktig å gi gode og forutsigbare arbeidsforhold for dem som er seriøse i utebransjen. Samtidig er vi opptatt av at de som bryter loven, driver useriøst eller skjenker mindreårige eller allerede synlig berusede personer, skal det slås hardt ned på. Nasjonale retningslinjer og sanksjoner har Fremskrittspartiet gjentatte ganger etterlyst fra helseministeren, uten at hun har syntes at dette er viktig nok. Dagens ordning gir kommunene full frihet når det gjelder hvordan de vil gjennomføre sine kontroller. De kan selv bestemme hva som er alvorlig lovbrudd, og hva som kan karakteriseres som et mindre lovbrudd, og reaksjonene mot lovbruddet varierer voldsomt. Der noen kommuner gir en advarsel, vil en annen kommune Et entydig strengt regelverk, likt for hele landet, ville gitt sterke signaler om viktigheten av at regelverket blir fulgt, og ville kunne medføre større respekt for det lovverket vi alle mener vi behøver overfor denne bransjen. STAD-prosjektet fra Stockholm kan vise til kraftig reduksjon av overskjenking og vold samt nedgang i skjenking av mindreårige. Nye prosjekter som kan vise til gode resultater, bør vi kopiere. Vi trenger ikke å finne opp allting selv. Fremskrittspartiet har etterlyst en innføring av STAD-prosjektet ved flere anledninger. Her har helseministeren vært noe lunken, men jeg velger å være optimist denne gangen, da helseministeren tross alt ikke avviser det. Det er også positive signaler når en samlet komité ber om at STAD-prosjektet innføres i storbyene i løpet av neste år. Om man ønsker resultater, må man også foreta seg noe. Det er tross alt ingen politisk uenighet om at alle skal føle seg trygge, og at overforbruk og uvettig bruk av alkohol er et problem for den enkelte og for samfunnet. Fremskrittspartiet vil støtte forslagene nr. 3, 4, 5 og 6 som ligger i saken. Dette er en positiv sak, og det er

Det er Høyre hjertens enig i. I forslag nr. 4 tar forslagsstillerne opp måleparametrene for politiets arbeid. Det er et tema som har vært debattert flere ganger fra Stortingets talerstol med god grunn, fordi de parametrene som ligger der i dag, er knyttet til politiets saksbehandlingstid oppklaringsprosent. Det er vel og bra. Begge de to er viktige, men de har noen sideeffekter som det også er viktig å være klar over, ikke minst når vi snakker om ruspolitikk. Som forslagsstillerne peker på, vil jo ikke de parametrene ta opp i seg og motivere til innsats i seg selv i forhold til forebyggende arbeid. Politiet gjør mye flott arbeid. De må foreta vanskelige og viktige prioriteringer hver eneste dag. Når man vet at man da blir målt ut fra saksbehandlingstid og oppklaringsprosent, er det dessverre ikke så underlig kanskje at det forebyggende elementet ofte gjør at noen saker havner nedover i køen. Jeg vil også nevne i denne sammenhengen den tunge og den organiserte kriminaliteten. ressurskrevende saker, kompliserte, omfattende og tidkrevende saker, som heller ikke nødvendigvis blir fanget opp på en god måte av de eksisterende måleparametrene hos politiet. Den tunge og organiserte kriminaliteten har jo også betydning når vi snakker om ruspolitikk, for veldig mye av den illegale omsetningen av rusmidler skjer nettopp i regi av organiserte kriminelle miljøer. Så vi har alle, også i denne sammenhengen, en felles interesse av at vi fra samfunnets side bekjemper organisert kriminalitet. Det bør også stimuleres i sterkere grad i forhold til de måleparametrene politiet arbeider etter. Forslagene nr. 5 og 6 går på nulltoleranse og redusert saksbehandlingstid i domstolene. Også det er forslag Høyre støtter, og redusert saksbehandlingstid i domstolene. Også det er forslag Høyre støtter, og som vi selv gjentatte ganger har fremmet forslag om her i Stortinget. Så vi støtter også disse. Oppsummeringsvis framgår det da av mitt innlegg at Høyre i voteringen vil stemme for forslagene nr. 3, 4, 5 og

felt, bl.a. lyssetjing, ordningar med gode taxikøar, synleg politi, osv. Alt dette må til for å få auka tryggleik i byane til å vera ein realitet. Vi har dei siste åra at vi har hatt ein kraftig auke i skjenkebevillingar og skjenkestader. Regjeringspartia er einige med Kristeleg Folkeparti i at eit viktig tiltak for auka tryggleik er å redusera tilgjengelegheita til alkohol. Eg registrerer at det faktisk ikkje er alle parti som er einige i premissane for dette. Vi har i førre saka debattert forslag til endring i alkohollova, og, for å gjenta, det er gode argument for å redusera skjenkjetider, og regjeringspartia vil komma tilbake til dette forslaget når SIRUS sitt forskingsprosjekt er avslutta, men det viktige er å styrkja kommunane og folkevalde sin kunnskap og praktisering av alkohollova. Vi har òg i ein merknad slått fast at STAD-prosjektet bør innførast i norske storbyar i 2012, og vi er einige om at politiet sine råd om sals- og skjenkjeløyve bør vera styrande. Gjennom endring i plan- og bygningslova har kommunane fått plikt til å ta kriminalitetsførebyggjande omsyn, og vi meiner òg at den nye folkehelselova, som regjeringa la fram førre fredag, vil bidra til styrking på dette feltet. og vi meiner òg at den nye folkehelselova, som regjeringa la fram førre fredag, vil bidra til styrking på dette feltet. Når det gjeld å påleggja kommunane å utarbeida planar som inneber differenserte stengjetider for skjenkjestadene, og gjennom forskrift påleggja kommunane å praktisera unntak frå alkohollovas normalskjenkjetid strengt i område med stor uro, er intensjonen god, men det bryt med den måten vi styrer alkoholpolitikken på i dag, der staten skal vera tydeleg og trekkja opp

fordi ein har ein tendens til å sjå på alt anna enn skjenkjepolitikk. Ein ser på politi, på lyssetjing, på kollektivtrafikk, på taxi og på rusfrie fritidstilbod. Men det er vanskeleg når det kjem til

få dette til å fungera betre. Mitt engasjement for alkoholpolitikken fekk eg som nyutdanna lege, da eg jobba på Bergen legevakt, og frå studietida, da eg jobba på ambulansen i Bergen sentrum. Det er klart at dei som kom på legevakta med ein skade, frå utrygge miljø, ikkje kom fordi det var dårleg lyssetjing i ei gate. Det er jo på grunn av alkohol og rus

Med dette som bakgrunn mener Kristelig Folkeparti at det er behov for å iverksette flere tiltak for å gjenopprette byene som trygge møteplasser. En god kommuneøkonomi er en viktig forutsetning for gode levekår i byene. Gode skoler som inkluderer alle, gode fritidstilbud, et velfungerende barnevern som fanger opp dem som trenger hjelp og ekstra omsorg, samt oppsøkende tjenester er helt sentralt for å sikre det gode liv og lav kriminalitet. Samfunnet må først og fremst rette innsatsen inn mot å forebygge lovbrudd, uro og frykt. Politi, restriksjoner og sanksjoner kan aldri alene bli et godt svar på de ordens- og kriminalitetsmessige utfordringer som våre byer i dag står overfor. Kristelig Folkeparti ønsker å tilrettelegge for et trygt og godt samfunn ved å satse bredt på tiltak og områder som fremmer trivsel, trygghet og gode liv. Vi mener imidlertid at byenes Noe vil komme naturlig under det lokale selvstyret, mens andre forhold bestemmes og reguleres av denne sal. Denne debatten viser heldigvis at det er tverrpolitisk enighet om flere viktige tiltak, mens vi på noen, også de viktige, har stor uenighet. Stortinget har allerede diskutert deler av dette forslaget da vi i dag også debatterte regjeringens forslag til endringer i alkoholloven. Her vil jeg, som i den forrige debatten, slå fast følgende: Fagfolkene, folk flest og Kristelig Folkeparti er enige om at en mer restriktiv alkoholpolitikk gir tryggere byer. Det var også regjeringspartiene for to år siden enige i. Jeg vil gjerne spørre, siden det ble referert til SIRUS-rapporten: Hvis den rapporten bekrefter det de andre rapportene har sagt, nemlig at økt tilgjengelighet og skjenketider fører til økt vold, vil man da med den samme kunnskapen gå inn for Kristelig Folkepartis forslag om reduserte skjenketider? Representantforslaget fra Kristelig Folkeparti handler om mer enn alkoholloven. Men ingen må la seg lure til å tro at rus ikke er en del av bildet når uttrygghet skal bekjempes. Trygghet er fundamentalt for et godt bysamfunn. Representantforslaget har seks konkrete forslag, hvor vi ønsker bl.a. at regjeringen sørger for at kunnskapsbaserte tiltak som innvirker på tilgjengelighet til alkohol, inngår i kommunale planer, men også at vi må ha en helt annen satsing på rusfrie treffsteder, kulturtilbud og konsertarenaer for ungdom over 16 år. I tillegg inviterer vi hele Stortinget til å be om et mer tilstedeværende politi, og enda viktigere: Vi ber regjeringen justere politiets måleparametre, slik at disse oppfordrer til økt forebyggende og trygghetsskapende innsats. Videre vil jeg også nevne at vi ønsker at regjeringen tar tak i den lange saksbehandlingstiden i domstolene, og at regjeringen innfører som en generell strategi i politiet at det skal være nulltoleranse og rask bøtelegging for mindre alvorlige lovbrudd. Jeg tar opp forslagene fra Kristelig Folkeparti. Representanten Filip Rygg har tatt opp de forslagene han refererte til. Presidenten har registrert at Høyre og Fremskrittspartiet støtter forslagene nr. 3, 4, 5 og

En rekke av forslagene som fremmes, har vært til behandling i Stortinget tidligere, f.eks. Innst. S. nr. 217 for 2006–2007 som også dreide seg om tiltak for økt trygghet i byene. Noen forslag er, som det er sagt, også behandlet her i dag i forbindelse med Prop. 48 L Jeg vil knytte noen kommentarer til sammenhengen mellom alkohol og skader. Ifølge Verdens helseorganisasjon er alkohol den nest viktigste risikofaktor til sykdom og tidlig død i høyinntektsland. Bare tobakk kommer foran. De siste årene har norske myndigheter gjort mye for å begrense omfanget av skader forbundet med alkohol. Som jeg har nevnt tidligere i dag i forbindelse med proposisjonen om endringer i alkohollovgivningen, er det satset mye på å styrke kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger. Det er også lagt til rette for at kommunene utarbeider rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og det er utarbeidet informasjonsverktøy for kommunene. I forrige uke la regjeringen frem forslag til en ny folkehelselov. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer og forebygger sykdom, skade eller lidelse. Loven pålegger bl.a. kommunene å ha oversikt over sine folkehelseutfordringer og sette inn nødvendige tiltak. Det kan f.eks. være tiltak for å begrense befolkningens alkoholbruk. Jeg vil også vise til at det arbeides med en stortingsmelding om rusmiddelpolitikken, og vi skal arbeide videre for å minske skadeomfanget knyttet til alkohol og andre rusmidler. Men for å lykkes er det helt nødvendig at også den enkelte kommune er seg sitt ansvar bevisst. Kommunen er nærmest til å peke på de lokale utfordringene og finne tiltak for å begrense disse. STAD-prosjektet i Sverige har vært nevnt av flere. Der vil jeg vise til det jeg har sagt tidligere i dag, om at jeg har bedt Helsedirektoratet om å vurdere hvordan vi kan hente erfaring fra dette. Samtidig har jeg lyst til å understreke at STAD-prosjektets søsterprosjekt i Norge, Ansvarlig vertskap, ble innført i Bergen allerede i 2001 og er et prosjekt som dreier seg om opplæring av personalet på utesteder. Det er et samarbeid mellom serveringsstedene, mellom bransjen og politiet, og det er også et prosjekt som kan vise til gode eksempler. Dette er også i regi av

om begrenset innskrenking av skjenketid i Norge. Derfor valgte regjeringen å avvente SIRUS-rapporten som kommer en eller annen gang, kanskje ved utløpet av dette året – det er i hvert fall det som er planen. Når vi sier at vi skal avvente den omfattende undersøkelsen i 30 norske byer, mener vi selvfølgelig det, og så må vi jo gjøre vurderinger etter at vi har fått resultatene av undersøkelsen. Det nytter jo ikke å forhåndsannonsere hva som skal være den endelige konklusjonen. Vi har nettopp bedt om denne rapporten for å kunne bygge på erfaring og kunnskap, og så får vi ta beslutningene etter det. Men det er ikke tvil om at dette er et viktig område for oss. Jeg har hørt noen antyde at dette er noe vi ikke tar alvorlig – det gjør vi! Jeg må si at jeg undrer meg litt over svaret til statsråden, trygge byer handler om å kunne gå trygt hjem. Ett av forslagene går på mer synlig politi. I går sa justisministeren veldig tydelig at han var veldig stolt over hva han hadde sagt før i denne sal, at politiet istedenfor å bruke én time kunne bruke fire til fem timer på dagtid til forebyggende arbeid – synlig politi. Det ville vært et veldig viktig tiltak å gjennomføre. Så sier statsråden nå at hun ikke kan antyde hva hun vil gjøre dersom SIRUS-rapporten eller annen forskning viser at tidligere stopp av skjenking ville være fornuftig. For meg er det helt åpenbart at dersom tidligere stopp av skjenking fører til mindre bråk, mindre vold,

sine skjenketider i forbindelse med festivaler, eller hadde variasjon på hverdag og helg. Det er fullt mulig for kommunene å gå inn for dette. Det er det full frihet til. Her dreier det seg om når man skal ha en maksimaltid. Men det vil vi selvfølgelig gå veldig nøye gjennom når SIRUS-rapporten kommer, for å se på hva den sier om nettopp dette punktet, som SIRUS nå sier de har for lite kunnskap om.

time – en meget dyr time for samfunnet. Jeg ønsker å redusere de samfunnsmessige kostnadene, jeg ønsker å redusere overfallsvoldtektene, jeg ønsker å redusere vold i samfunnet, og jeg ønsker å bruke ressursene mer fornuftig. Kristelig Folkeparti er for en billig alkoholpolitikk, og den billigste alkoholpolitikken er en politikk som tar hensyn til at det er noen som misbruker alkohol. For to år siden var det en kronikk i VG som den daværende helseministeren Bjarne Håkon Hanssen viste til: «Internasjonal forskning viser en sammenheng mellom skjenketider og alkoholrelaterte skader, ikke minst voldsutøvelse. Når skjenketiden øker, får man mer vold og omvendt.» Er ikke det internasjonal forskning og det den tidligere helseministeren sa, godt nok? Internasjonal forskning er selvfølgelig viktig. Det Internasjonal forskning er selvfølgelig viktig. Det jeg i hvert fall mente å si med kl. 23, var at jeg ikke hadde hatt noe imot det. Men jeg sier at det er opp til kommunene. Kommunene må selv velge hvor lenge de vil ha åpent, og hva de selv finner riktig. Her dreier det seg om når du skal sette maksimaltid, og hvem skal bestemme den. Så har jeg også sagt at når det Så har jeg også sagt at når det gjelder SIRUS – de viser til internasjonal forskning – sier de at det er liten erfaring i Norge. Det dreier seg tross alt om – som i Bergen, der de har innskrenket en halv time – hvilken erfaring man har, og at man må se på den erfaringsbasen for å kunne danne grunnlag for de beslutningene vi tar. Så får vi ta stilling til når maksimal skjenketid eventuelt skal være.

alkoholservering. Det er viktig å ha gode tiltak mot de uønskede sidene ved denne serveringen. Det er, som statsråden har påpekt, kommunene som har ansvaret for å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk, og det ansvaret er kommunene nødt til å ta. 23. november i fjor viste NRK Brennpunkt at berusede personer lett får servert alkohol på utesteder i Oslo, mens de påseglede i Stockholm måtte slukke tørsten med annen drikke. Dagen etter la Actis fram tall som viste at fra 2008 og fram til i dag har Oslo kommune skrevet 141 rapporter om utesteder som overskjenket, men få mistet bevillingen som følge av denne skjenkingen. Også Oslo politidistrikt har kommet med kritikk av byrådets skjenkepolitikk. Politiet mener at prinsippet om skjenkebevilling skal være at det er lett å få og lett å miste, og at dette ikke har gjennomslagskraft i høyrestyrte Oslo. Næringsinteressene går foran. Også kampen mot svart økonomi kritiseres av politiet. Politiet sier at næringsetaten er kjent med at bruk av bakmenn og stråmenn er utbredt, men at de har problemer med å bevise det og dermed problemer med å nekte å innvilge søknadene. Noen advokater sender inn søknader etter fullmakt. De vil ikke opplyse om hvem de representerer, på grunn av taushetsplikten. Er ikke det noe som burde endres? I Oslo bør en ha flere kontroller og bruk av sanksjoner. De seriøse aktørene i utelivet er ikke tjent med at det er useriøse aktører på banen. Så hvilken del av næringen er det byrådet i Oslo tjener? STAD, har vært nevnt. Det har redusert volden med 30 pst., og det har redusert overskjenking samt skjenking til mindreårige. De som får skjenke lenge i Stockholm, har en langt tøffere kontroll og krav enn de som stenger tidligere. Det er bra at det nå skal innhentes lærdom fra dette prosjektet. Andre prosjekter er også i gang. I Fredrikstad har en med suksess arbeidet med prosjektet Ansvarlig Vertskap. Det er mulig å gjøre byene tryggere, men da må kommunene ha en aktiv politikk for å sette handlingsplaner for tryggere byer ut i livet. Jeg synes at representanten Karin Yrvins innlegg hvorfor Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at denne type diskusjoner hører hjemme i bystyret. Det hadde vært et utmerket innlegg i Oslo bystyre, på samme måten som debatten mellom helseministeren og representanten Rygg om skjenketidene i Bergen hadde vært en utmerket debatt i Bergen bystyre. Jeg har deltatt i skjenkedebatter i en liten kommune med 6 000 innbyggere og i en stor kommune med over 100 000 innbyggere, og nivået på skjenkedebattene i de kommunestyrene er om lag på samme nivå som skjenkedebatten har vært her i Stortinget i dag. Jeg vil overlate den type diskusjoner og avgjørelser i trygge hender til landets lokalpolitikere. Jeg tror at de har en like god og innsiktsfull måte å diskutere den type spørsmål på som Stortinget har etter dagens erfaring. Grunnen til at jeg tok ordet, var at det både i den forrige debatten og i denne debatten har spredd seg en oppfatning om at innskrenkningen i røykeloven ble gjort som et resultat av at man ønsket å drive et folkehelsearbeid. Det er ikke korrekt. Som saksordfører for røykeloven vil jeg minne om at grunnen til at Stortinget innførte var knyttet til at de ansatte i hotell- og restaurantbransjen på det tidspunktet var de eneste ansatte i Norge som ikke hadde et vern mot røyking på sitt arbeidssted. Det var begrunnelsen. Det fantes ikke noe vitenskapelig grunnlag eller noen forskning som kunne tilsi at det var grunnlag for Stortinget å akseptere at ansatte i denne næringen hadde et annet arbeidsvern enn ansatte i andre næringer. Det var begrunnelsen for at stortingsflertallet fjernet det unntaket som var for restauranter og serveringssteder når det gjaldt røykeforbud på arbeidsplassen. Det er ikke meningen å dra ut debatten, men etter replikkvekslingen med helseministeren ønsker jeg å ta et innlegg. Bakgrunnen er Det er ikke meningen å dra ut debatten, men etter replikkvekslingen med helseministeren ønsker jeg å ta et innlegg. Bakgrunnen er at Kristelig Folkepartis mål for samfunnet er livskvalitet. Det å kunne gå trygt rundt på kvelden – eller generelt – er et av de viktigste målene på livskvalitet. Når vi i dag diskuterer et forslag om trygge byer,

og forslag som i dag diskuteres, enten det er synlig politi eller bedre virkemidler for politiet sånn at de kan være med på å skape trygge byer. Nå har vi diskutert skjenketidene, men vel så viktig er det hvordan man slår ned på brudd på skjenkeloven. Når jeg i replikkvekslingen med helseministeren opplever at internasjonal forskning ikke lenger betyr noe, og heller ikke sammenhengen mellom åpningstid og

der jeg vet at det egentlig er enighet, ender med enda en utsettelse. Men jeg kan akseptere utsettelsen dersom SIRUS-rapporten og forskningen viser at det er en sammenheng, som internasjonal forskning viser, som jeg er helt overbevist om er til stede, regjeringen da velger å gjøre det grepet den foreslo, nemlig å redusere skjenketiden fra kl. 03 til kl. 02. Da er utsettelsen grei. Men heller ikke det kunne helseministeren svare på i replikkvekslingen med representanten Rygg, og det skuffer meg. Jeg tilhører dem i

Det var jo bl.a. TV 2 som satte et betimelig søkelys på sammenhengen mellom bl.a. skjenketider og vold i byene. Nå fremsettes det jo påstander her i salen og i debatten i dag, både i denne saken og i en tidligere sak, som gir et inntrykk av at folk flest opplever stor utrygghet når de ferdes i byen. Jeg tror at den type oppfatning først og fremst gjør seg gjeldende hos folk som ikke ferdes i byen, men som kanskje har sin virkelighetsoppfatning basert på noen tv-reportasjer osv., på samme måte som andre dramatiske hendelser som ofte har en tendens til å prege nyhetsbildet i betydelig grad, kanskje oppfattes annerledes av dem som opplever det. det. Selv tilhører jeg dem som synes det er kjekt å kunne benytte byens tilbud, enten det er her i denne byen eller i min utmerkede hjemby Bergen. Det er blitt referert til Bergen av flere i Bergen av flere i denne debatten. Det har med jevne mellomrom naturligvis også vært politiske debatter i Bergen om sammenhengen mellom skjenketid og uønsket adferd eller vold og andre slike hendelser. Det som må være helt klart, er at skjenkenæringen er vel den mest og kontrollerte næringen i Norge. Nå har vi altså ikke atomkraftindustri i Norge, og det skal vi kanskje være glad for akkurat nå. Hadde vi hatt det, ville den næringen sannsynligvis vært mer gjennomregulert og kontrollert enn skjenkenæringen. Men sånn som det er nå, kan jeg ikke tenke meg noen næring i Norge som er mer kontrollert. kontrollert. Da blir det jo å skyte på pianisten hvis man mener at den næringen skal bære ansvaret for alt som skjer knyttet til enkelte menneskers problemer med omgang med alkohol og andre rusmidler. Man må også være klar over

seg om en kombinasjon av ulike rusmidler. For eksempel er det et problem et unge menn som bruker dopingmidler til kroppsbygging og trening, i møte med alkohol får store problemer med å takle sin aggressivitet, spesielt også hvis man har andre diagnoser. Den type problemstillinger kan ikke en seriøs skjenkenæring ta ansvaret for. Så vil jeg til slutt si at jeg synes egentlig det er litt trist at skjenkedebatter også her i Stortinget, slik som det ofte er i kommunestyrene, er monopolisert av helsepolitikerne, og at andre ikke kan ta del i dem. Jeg er i

Jeg er i den heldige situasjon at jeg tidligere har fått lov til å diskutere nettopp skjenkepolitikk med representanten Warloe i et bystyre. Det har vært en stor fornøyelse. Det er også en stor fornøyelse å få lov til å gjøre det i denne sal. For meg blir det ganske avslørende når man ber om at næringsinteresser skal vurderes, fordi dette er i all hovedsak først og fremst et helsespørsmål, når vi vet hvilke skadevirkninger det har. Det har også sammenheng med hvor i lovverket det ligger plassert. Vi vet at tallene er ganske tydelige. Så kan man alltids diskutere at flere ting henger sammen med hverandre. Det er også hensikten bak forslaget vi behandler i dag, at det er en helhet. Det er en helhet når vi skal diskutere trygghet i byene, men der inngår også rus, og der inngår også regulering av når vi skal diskutere trygghet i byene, men der inngår også rus, og der inngår også regulering av skjenketider. Det Kristelig Folkeparti er opptatt av nå, er at når den nye kunnskapen kommer, som statsråden har pekt på, må det få en konsekvens. Nå må det ikke bli slik, som i denne debatten, at man ikke vil tro på det. Da må det være sånn at det får en konsekvens, slik at vi kan skape tryggere bysamfunn. Jeg antar det er upopulært å ta ordet så

Det er jo der det meste av alkoholinntaket skjer, som også andre debattanter har vært inne på i denne debatten. Det mener jeg det er viktig å huske på, og jeg mener det er viktig å huske på at for folk flest handler det å kunne benytte seg av en bys uteliv – eventuelt å kunne nyte et glass hjemme eller i andre sammenhenger, på andre arenaer – om noe som er hyggelig, det handler om noe som er sosialt. Jeg vet ikke hvor mange og nitti prosent av Norges befolkning som håndterer dette fullt ut tilfredsstillende, til og med representanter fra Kristelig Folkeparti. Det er altså noen få som ikke klarer dette, og som har et problem. Det problemet må naturligvis adresseres. Men jeg er veldig skeptisk til at Filip Rygg og andre fra Kristelig Folkeparti – det var vel Kjell Ingolf Ropstad – refererer til livskvalitet og det gode liv. Hvis man skal politisk definere hva som er det gode liv, tror jeg at jeg vil ha en annen oppfatning av det

Det betyr at når man definerer den type begreper – folks gode liv og livskvalitet – må man være svært forsiktig, for man må ha respekt for at folk er forskjellige. I Høyre er det i alle fall slik at vi er opptatt av at folk er forskjellige og selv må kunne få definere hva som er livskvalitet og et godt liv. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15.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

og det mest vidtrekkende forslaget er å legge ned de regionale helseforetakene. Sykehusreformen med etableringen av regionale helseforetak og helseforetak utenfor forvaltningen har fungert i knappe ti år. Det er i perioden høstet mange positive erfaringer, og modellen har vært i utvikling. De regionale helseforetakene har gjennomført mange nødvendige oppgave- og funksjonsfordelinger mellom våre sykehus. Dette har vært nødvendig på bakgrunn av stor faglig medisinsk-teknisk utvikling i perioden. Det har vært en betydelig økning i pasientbehandlingen i perioden og gradvis bedring i økonomistyringen fram mot balanse i alle fire helseregioner i Investeringsnivået i sykehusene er doblet siden fylkeskommunene eide sykehusene, og flere store sykehusprosjekter er vedtatt i perioden. Dette skaper et grunnlag for at ledelse, tillitsvalgte og ansatte nå kan ha sin hovedoppmerksomhet på kvalitet, korte ventetider, pasientsikkerhet og samhandling med primærhelsetjenesten, I alle vestlige land er det debatt om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hos oss er ett av temaene i debatten om vi skal ha et regionalt nivå med eget styre, slik helseforetaksloven foreskriver. Grunnleggende er dette en debatt om demokratisk styring av sektoren. Vår styringsmodell har vært i utvikling gjennom perioden, bl.a. ved at styremøtene er blitt åpnet for allmennheten, og at flertallet av de eieroppnevnte styremedlemmer nå oppnevnes etter forslag fra kommunestyrer og fylkesting. Forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti mener at de regionale helseforetakene bør legges ned, og at Helse- og omsorgsdepartementet bør overta noen av de oppgavene som regionforetakene i dag utfører. Forslagsstillerne mener det ikke er hensiktsmessig med etablering av et nytt direktorat. Denne vurdering tiltres av en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, og samme flertall er av den oppfatning at dagens helsedirektorat heller ikke er et naturlig alternativ for direkte styring av helseforetakene. Når det gjelder substansen i forslaget, vil regjeringspartiene vise til regjeringens plattform om at de grunnleggende prinsippene ved helseforetaksmodellen skal videreføres, men at det vil bli satt i gang et utredningsarbeid i denne stortingsperioden med sikte på ytterligere Helseforetaksmodellen har vist seg å være robust, har levert gode resultater på mange områder, og modellen er laget for politisk styring. Jeg kan ikke se at forslagsstillerne fremviser en alternativ modell som gir mulighet for tilsvarende trygg styring av spesialisthelsetjenesten. Vår modell med helseforetak regionalt og lokalt gir alle muligheter for klok politisk styring med sektoren. Vi har tydeliggjort denne styringen, bl.a. ved å gjennomføre hyppigere foretaksmøter, stille tydelige krav til måloppnåelse på politisk prioriterte områder i oppdragsdokumentene, varslet en evaluering av de regionale helseforetakene og at endringer i antall foretak og opptaksområder kun kan foretas i Det er i år gitt tydelige politiske bestillinger i oppdragsdokumentene knyttet til f.eks. bedre kvalitet i behandlingen, kortere ventetider, reduksjon i ufrivillig deltid, flere lærlingplasser og mer forutsigbarhet for ideelle aktører. I tillegg til dette vil vi arbeide med tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale myndigheter og sykehusene.

de regionale helseforetakene mangler nødvendig legitimitet til å foreta viktige grep for å sikre hensiktsmessig drift og økt ressurskontroll. Fremskrittspartiet mener at det er grunnlag for å fjerne det dyre og byråkratiske mellomleddet som de regionale helseforetakene har blitt, eller det som representanten Helseth omtaler som en trygg styringsmodell. Forslagsstillerne mener at dagens struktur også i utilstrekkelig grad synes å ivareta behovet for best mulig utnyttelse av de totale helseressursene, og at dette peker i retning av behov for både desentralisering og sterkere nasjonal samordning – to tanker i hodet samtidig. Da er vi ved sakens kjerne. For toget går faktisk nå. Det går i dag. dag. Det er ikke, som Senterpartiet forsøker å gi inntrykk av, mulig å reversere dette. Kompetansemiljøer kommer til å bli splittet opp og flyttes. Usikkerhet er skapt. Toget er snart gått, og det kommer altså ikke tilbake. Jeg er ikke enig med statsråden og regjeringen. Jeg mener at regjeringen gjør tilbudet dårligere når de nå i realiteten nedlegger gode Sentralisering av noen viktige oppgaver, hvilket alle er enige om, er ikke etter vår oppfatning en god grunn til å legge ned lokalsykehus, og det i et historisk raskt tempo. Fremskrittspartiet mener at det er et bevisst valg fra denne regjeringen og følger som en direkte konsekvens av at man ikke er villig til å definere hva et lokalsykehus skal inneholde av tjenester. Det virkelig store paradokset er at det faktisk er flertall i denne sal for å definere nettopp dette. Også i denne saken er det altså Senterpartiet som bidrar til at Stortinget ikke fatter de vedtak som det er flertall for, og som Senterpartiet visstnok da er enig i. Men én ting skal statsråden ha, og det er at hun mener dette. Hun står for politikken. Selv om den opplagt er upopulær og man taper stemmer i deler av landet – og det er sikkert ikke lett – fortjener det faktisk respekt. Senterpartiet, derimot, bidrar til en politikk som de sier de er uenige i, samtidig som de forsøker å gi inntrykk av at de er enige med oss. De står på tv og hevder at de er uenige, De står på tv og hevder at de er uenige, de hevder at toget ikke er gått, og at de vil kjempe. Dette er feil. Dette fører folk bak lyset og bidrar ikke til troverdighet. Sannheten er at toget går nå, og det går takket være Senterpartiet. Det er Senterpartiet som sier at de vil fjerne de regionale helseforetakene, det er Senterpartiet som sier at de vil definere hva et lokalsykehus skal inneholde, og det er Senterpartiet som sier at de vil beholde lokalsykehus. Alle disse sakene kan vi faktisk vedta i denne sal, og vi tar Senterpartiet på alvor, men de sørger faktisk for at det motsatte skjer av hva de selv hevder. I dag viser de for all verden at det bare er prat og intet annet. Når det gjelder lokalsykehus, føler jeg meg ganske overbevist om – dessverre – at Senterpartiet kommer til å bli husket som det partiet som for å spare mest fjernet flest på kortest mulig tid. tid. Stortinget kan faktisk i dag fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene. På denne måten ville man i alle fall midlertidig sørget for at eksisterende tilbud på Eid, i Lærdal og flere steder besto. De rød-grønne partiene, og da spesielt Senterpartiet, har altså muligheten i dag. Og det er ikke bare Senterpartiet, vi ser lokale representanter fra Arbeiderpartiet som også i dagens aviser er ute og gir inntrykk av at de vil stoppe nedleggelse, eller i hvert fall fjerning, av virksomheter i lokalsykehuset på Kongsberg – sågar stortingsrepresentanter i denne sal. Men det er i dag toget går. Det er i dag saken gjelder. Frys omstillingsprosessene i dag, eller for evig tid hold munn! Jeg vil med dette fremme de forslag som er referert i innstillingen, og også bare redegjøre for at vi ikke støtter forslag nr. 5, fra Venstre, da vi anser det dekket av våre forslag. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslag han refererte til. Jeg tror dagens debatt kun vil ha historisk interesse, og da

så lenge det kun er ett parti i denne sal, nemlig Arbeiderpartiet, som fortsatt støtter dagens styringsmodell, er det jo ikke spørsmål om det blir en endring, men om når det blir en endring. Sannsynligvis vil det bli relativt kjapt etter stortingsvalget i 2013. Den styringsmodellen som vi har i dag, har altså ikke tilslutning fra noe annet parti enn Arbeiderpartiet. I denne innstillingen skisseres det en alternativ styringsmodell. Den alternative styringsmodellen baserer seg på to Det første elementet er at Stortinget behandler en nasjonal sykehusplan som en del av den nasjonale helse- og omsorgsplanen. Vi har jo nå, sist fredag, fått regjeringens svar på det ønsket, og det er igjen en nasjonal helse- og omsorgsplan som ikke i noen særlig grad beskriver hvordan spesialisthelsetjenesten i Norge konkret skal utvikle seg, og spesielt ikke er det en nasjonal sykehusplan. Det er et forsøk på å definere hva som er et lokalsykehus. Der er listen lagt sånn at det akkurat går å definere sykehusene slik de vil være etter de omstillingene som nå pågår innenfor den listen. Derfor vil Soria Moria-erklæringen kunne sies å være opprettholdt. Men det gis ikke noe forsøk på å definere hva andre typer sykehus skal Nei, det sies i Nasjonal helseplan at det skal forskriftsfestes. Ved å forskriftsfeste det holder man det på betryggende armlengdes avstand fra denne sal, og dermed kan man fortsatt ha den typen diskusjoner bak lukkede dører internt i regjeringen, selv om de dørene etter hvert blir slått opp på vid gap av de enkelte medlemmene av regjeringen.

I denne debatten er det enkelte, spesielt representanten Toppe fra Senterpartiet, som prøver å skape et inntrykk av at Høyre var pådriver for den styringsmodellen som vi har i dag. Det er ikke korrekt, så jeg vil anbefale at representanten Toppe og de andre som lever i den villfarelsen, går tilbake igjen og leser odelstingsproposisjonen om ansvarsreformen. Der vil en se at Høyre la fram et helhetlig annet forslag som innebar at en skilte

Det var imidlertid en modell som Arbeiderpartiet fremmet, som de fikk flertall for sammen med Fremskrittspartiet, og som Høyre støttet subsidiært fordi vi mente det var viktig å bidra til å få et statlig ansvar for spesialisthelsetjenesten. Det som dette dreier seg om, er om spørsmål som befolkningen skal tas av folkevalgte politikere eller av ansiktsløse byråkrater. Fra Høyres side er dette spørsmål som hører hjemme i demokratisk valgte organ, fordi det er nettopp denne typen spørsmål velgerne legger stor vekt på når de går til valg og velger sine representanter. I dag foregår det et svarteperspill som minner veldig sterkt om det svarteperspillet som også foregikk da fylkeskommunene hadde ansvaret for sykehusene. da fylkeskommunene hadde ansvaret for sykehusene. De forslagene som ligger til behandling her i dag, er alle i sin helhet en del av den nasjonale helseplanen som nå ligger til behandling i helsekomiteen, så det naturlige hadde vært å ta denne debatten i forbindelse med behandlingen av Nasjonal helseplan. Jeg skal berøre bare ett av forslagene som har vært debattert, nemlig forslaget om at Stortinget skal be regjeringen om å legge ned de regionale helseforetakene. En slik beslutning vil innebære en betydelig sentralisering av organiseringen av spesialisthelsetjenesten i dette landet. Regionaliseringsprinsippet,

bygd opp en arbeidsdeling i regionene for å dekke mest mulig av befolkningens behov for spesialisthelsetjenesten. Det er også bygd opp i helseregionen en intern infrastruktur for samarbeid. Det gjelder på områder som IKT, syketransport, ambulanse, innkjøpsordninger og ikke minst faglige nettverk. Og det er etter hvert bygd opp en betydelig regional planlegging og I Norge dekkes 95 pst. av befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste i helseregioner. Det blir av og til hevdet at Norge med sine 4,5 millioner innbyggere ikke er større enn en bydel i London og derfor ikke trenger flere enn to nivåer, og kanskje noen mener bare ett. Poenget er at Norge er ikke London. Norge er et geografisk langstrakt land, større enn Italia, Italia, med store geografiske forskjeller i befolkningsgrunnlag, forskjeller i avstander, forskjeller i klima osv. Da et det grunn til å spørre seg hvordan man kan tro at utbyggingen av helsetjenesten til befolkningen i et land med så store forskjeller, med sykehusstruktur og lokalsykehusproblematikk, skal løses bedre i en sentralisert organisering, i en sentralisert sykehusadministrasjon,

for at regjeringspartiene har besluttet at det skal foregå en evaluering etter ti år med helseforetaksloven. Da vil disse spørsmålene komme opp. Men det er grunn til å understreke at det ikke er nødvendig å legge ned det regionale nivået for å kunne etablere et med tydeligere og sterkere politisk styring. Det er overhodet ingen forutsetning. Da vil jeg vise til at våre naboland i Norden har en regional organisering, de bygger sin spesialisthelsetjeneste på regionaliseringsprinsippet. Det er det normale også i det øvrige Europa. Man har tre nivåer, og skulle vi avvikle den regionale dimensjonen, den regionale organiseringen, ville vi framstå som annerledeslandet i Europa.

Til forslaget om å frysa pågåande omstillingsprosessar i lokalsjukehusa er det ingen hemmelegheit at dette er noko Senterpartiet har arbeidd for. Forslaget er mindre aktuelt no, sidan Nasjonal helse- og omsorgsplan allereie er fremma av regjeringa. Til forslaget om at det skal utarbeidast ein nasjonal sjukehusplan, har landsmøtet til Senterpartiet i ein uttale gått inn for dette. Eg trur at på sikt er dette noko som vil Senterpartiet har vore oppteke av å sikra at Nasjonal helse- og omsorgsplan vert utvikla til ein meir operativ reiskap for prioriteringar innanfor dei samla helsetenestene. For å sikra ein reell prioriteringsdebatt er det slått fast i Soria Moria at fylkeskommunane skulle involverast i ein høyringsrunde. Dette kan vareta litt av den same intensjonen som ligg bak ein nasjonal sjukehusplan. Eg er Eg er sikker på at debatten om både styring av spesialisthelsetenesta, nasjonal sjukehusplan og omstillingsprosessane i lokalsjukehusa er noko som Stortinget vil koma tilbake til ved behandling av Nasjonal helse- og omsorgsplan. Såleis går ikkje toget i dag. Bent Høie har rett i at Høgre ikkje var ein pådrivar for Men Høgre var tross alt med på ta sjukehusstyringa vekk frå folkevalde organ – frå fylkeskommunen over til ein statleg modell. Til slutt i innlegget mitt har eg lyst til å takka for all kritikk som er sett fram mot meg og Senterpartiet. Det er til dels berettiga. Det verste med denne saka er likevel ikkje kritikken frå andre parti i denne salen. Den verste kritikken i denne saka får vi frå våre veljarar. Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste. De er Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste. De er en trygghetsbase som har sine fortrinn i nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. For lokalsykehusenes brukere, innbyggerne i nærmiljøet og for de ansatte er dagens debatt viktig. Ikke mindre trist er det at vi i en del andre saker, nå får vedtak som ikke stemmer overens med uttalte standpunkter fra flertallet i denne salen. Kristelig Folkeparti mener at lokalsykehusene må utvikles i takt med ny medisinsk kunnskap, ut fra geografiske forhold, ny infrastruktur og teknologiske løsninger. Allerede i 2007 fikk daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad en rapport på sitt bord, rapporten Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet Denne ga klare råd om å forskyve ressurser fra spesialiserte sykehus mot lokalsykehusene. Rapporten foreslo også definisjoner av lokalsykehus, slik flere i denne salen har tatt til orde for, med akuttfunksjoner og lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner, som f.eks. lokalsykehusene i Mosjøen og Det ble i rapporten anbefalt at dette skulle utredes nærmere. Det er forunderlig å registrere at regjeringen ikke har foretatt en slik utredning. Vi har fått en helse- og omsorgsplan som på ytterst få sider beskriver det vi mener burde vært beskrevet og utredet i en større og helhetlig sykehusplan. sykehusplan. Dette handler om trygghet og gode lokalsamfunn, om distriktspolitikk, og om at vi skal kunne stole på uttalelsene fra de folkevalgte. Transport, faglig kvalitet, brukertilfredshet, rekruttering og utdanning spiller inn. Vi får ikke den brede debatten som vi skulle hatt. Det beklager Kristelig Folkeparti. Derfor vil vi fryse omstillingsprosessen i lokalsykehusene omgående. som vi skulle hatt. Det beklager Kristelig Folkeparti. Derfor vil vi fryse omstillingsprosessen i lokalsykehusene omgående. Vi ønsker en omforent definisjon av hva et lokalsykehus skal inneholde. Vi ønsker også, som tidligere sagt, en nasjonal sykehusplan. Jeg tar opp de forslagene som er fremmet i innstillingen. Representanten Filip Rygg har tatt opp de forslag han selv refererte til. Da jeg hørte representanten

Jeg er enig i at det har skjedd mye bra i styringsstrukturene når det gjelder økonomi i norske sykehus. Vi har fått kontroll over mye av det. Det er mye som skjer som også er bra. Det er også ting som skjer som ikke er bra. Jeg som er representant for Oslo og Akershus, er kjempeengstelig for det som nå skjer med nye fordelingsbrøker innen rus og psykiatri. Jeg tror det blir veldig ille. Det skal vi kjempe mot Men det vi snakker om her i dag, handler om at det begynner å bli mistillit til selve styringsstrukturen vår. Venstre kommer ikke til å støtte å legge ned de regionale helseforetakene og kommer ikke til å stemme for forslag nr. 1. Men jeg syns det er viktig at vi nå får satt i gang en prosess der vi ansvarliggjør politiske myndigheter, som stiller til valg, for de avgjørelsene som er gjort. For det hjelper ikke bare å velge politikere og sette dem inn i AS-styrer. Poenget med politikere er at de kan bli kastet ved valg. Poenget med demokrati er ikke bare å velge noen, det er også at du kan kaste noen. Og problemet med hele styringsstrukturen til norske sykehus i dag er at vi har – i og for seg – mange politikere som sitter i styrer, men det er ingen som kan kastes når de gjør en dårlig jobb. jobb. De mekanismene må vi få tilbake i styringen av en så stor del av velferdsstaten vår. Derfor mener Venstre at å kalle det en nasjonal plan, burde det være en jevnlig rullering i Stortinget med en stortingsmelding om utviklingen innenfor sykehussektoren. Der må en jorde de store viktige tingene som folk føler avgjør deres hverdag, i et politisk valgt forum, nemlig i Stortinget.

og at man da ga et mandat til den type nedleggelser som vi i dag ser at folk blir veldig frustrert og oppgitt over. Dette handler om en vanlig, god demokratisk tankegang som går ut på at folks frustrasjon blir større når man føler at det er noen man skal ta. ta. Dette er ikke bare av medfølelse for helseministeren, som blir målskive for alt dette når hun reiser rundt i landet, men jeg mener at det er vi som forum som bør ha dette ansvaret, og ansvaret bør ligge i denne salen. Derfor fremmer vi et eget forslag, som jeg egentlig ser som et alternativ til forslag nr. 2, som ligger i saken. Så har vi i Venstre – etter mye fram og tilbake i Venstres gruppe, det går også an sjøl om man er to – kommet til at vi i dag skal stemme for forslag nr. 4. Grunnen til det er at vi ser at den frustrasjonen som er ute blant folk i dag, må tas på alvor og må kanaliseres til en debatt rundt hvorvidt dette er riktige vedtak eller ikke. Jeg syns at det undergraver både politikernes posisjon at det undergraver både politikernes posisjon og ærligheten i politikken, som jeg syns er viktig, når man sier at man ikke legger ned noe, men man legger det egentlig ned. Det blir som når man føler at Bagdad står, sjøl om man ser bombene går. Jeg syns at man skal snakke ærlig om ting. Hvis det er slik at man virkelig ønsker å bygge ned tilbud, og det fører til de endringene som folk føler at det fører til, så må man være ærlig med det og ikke «bake det inn» som andre ting. Jeg vil at vedtakene skal skje i denne salen, vedtak som innebærer store endringer for De vedtakene skal ikke dyttes bort til foretak som holder på langt unna folkevalgt styring. Jeg vil ha makten tilbake i denne salen, jeg vil ha ansvaret tilbake til politikerne, jeg vil ha politikere som ser borgerne i øynene og sier at slik må det bli fordi vi ser helheten. Og da syns jeg at vi ikke skal dytte ansvaret over på andre. Derfor kommer Venstre til å stemme for sitt forslag, som jeg herved fremmer, og for forslag nr. 4 i saken.

de andre partiene i salen har jeg hørt ulike innlegg fra opposisjonspartiene som går i ganske ulik retning, selv om man uttrykker uenighet med den nåværende modell. Jeg har i hvert fall ikke sett noe samlet alternativ til den styringen. I likhet med forslagsstillerne er jeg også helhjertet opptatt av at vi skal sikre likeverdige helsetjenester i hele dette landet, og at de som trenger det mest, skal bli prioritert først. Forslaget til Nasjonal helse- og omsorgsplan og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som ble lagt frem sist fredag, følger opp Stortingets behandling av Samhandlingsreformen. Målet er – som de fleste er kjent med – å forebygge mer, behandle tidligere, og på den måten begrense sykdom. Vi må redusere sosiale helseforskjeller, og vi må sikre at alle får et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av den enkeltes bakgrunn eller økonomi. Befolkningen skal oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Her er vi faktisk ved et kjernepunkt, for når jeg treffer pasienter, er de opptatt av én ting ting – å bli friske. De er opptatt av å få behandling av høy kvalitet, få det raskt og få ned ventetiden. Det har vært rettet kritikk mot foretaksmodellen. Mye av kritikken går på at det er for lite politisk styring – det har vi også hørt her – av spesialisthelsetjenesten. Det er snart ti år siden helseforetaksloven ble vedtatt, og i løpet av disse årene har det skjedd en omfattende omstilling av spesialisthelsetjenesten. Gjennom å se sykehusene i de ulike foretakene, regionene og landet i sammenheng har vi fått til en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene. Langt flere pasienter får behandling, og statlig styring har bidratt til større geografisk likhet i behandlingstilbudet. Det forskes mer, og økt spesialisering og kompetanse har bidratt investeringsnivået mer enn fordoblet siden fylkeskommunen eide sykehusene. De siste årene er det oppnådd god kontroll over økonomien, med driftsresultat i balanse i alle de fire helseforetakene for 2010. Dette gir rom for at vi kan bygge nye sykehus og investere i nytt Så etter flere år med betimelig vekt på økonomistyring er oppmerksomheten nå rettet mot å redusere ventetider, forbedre kvaliteten og videreutvikle tjenestene. Og det er faktisk dét landets pasienter er svært opptatt av. Resultatene taler for at helseforetaksmodellen skal videreføres. Men det er også rom for endringer. Derfor setter vi i gang en evaluering og en utredning for å gjøre forbedringer i modellen og i helseforetaksloven. Stortinget inviteres til å gjøre nasjonale prioriteringer gjennom behandlingen av Nasjonal helse- og omsorgsplan. Stortinget skal også involveres tettere i den langsiktige styringen av spesialisthelsetjenesten gjennom årlig orientering om utvikling og status. Det skal formidles klare styringssignaler gjennom statsbudsjettet, de årlige oppdragsdokumentene og i foretaksmøtene. Det skal også gjennomføres tiltak for å styrke forankring og samarbeid med lokale myndigheter og folkevalgte, både lokalt og regionalt. I foretaksmøtene i januar stilte jeg krav om at de regionale helseforetakene må styrke arbeidet med å forbedre kvaliteten på behandlingen og redusere ventetidene. Jeg understreket at man ved helseforetakenes anskaffelser av helsetjenester må ta hensyn til ideelle institusjoners behov for forutsigbarhet og langsiktighet, og at anskaffelser skal sikre tilfredsstillende geografisk tilgjengelighet til tjenester for befolkningen. Men hensynet til private aktører rokker ikke ved de regionale helseforetakenes ansvar for å sikre befolkningen likeverdige Her er lokalsykehusene viktige. Uansett styringsmodell må faktisk helsetjenesten være i stadig omstilling. Endringer må skje med utgangspunkt i pasientenes behov, og som følge av den medisinsk-teknologiske utviklingen. utviklingen. Omstillingene som nå gjennomføres, skjer i tråd med tidligere politiske føringer og vedtak. Nasjonal helse- og omsorgsplan er en plan for utvikling av fremtidens helsetjenester. I denne planen trekker vi opp den overordnede politikken for sykehussektoren. Det blir replikkordskifte. I spørretimen forleden stilte jeg spørsmål om det var vanskelig å ha med et senterparti som later som de har tatt dissens uten å ha gjort det.

Buskerud Arbeiderparti også er uenig med ministeren. Jeg antar at det ikke er noe lettere. Det jeg har lyst til å bore i, for jeg fikk jo ikke noe svar da jeg spurte om dette i går, er definisjonen på et lokalsykehus. Vi vet det er et flertall i denne salen som ønsker at Stortinget skal definere hva et lokalsykehus skal inneholde. Vi vet også at innbyggerne ønsker dette.

Men det er faktisk slik at ved alle de lokalsykehusene – og det er mange av dem i Norge, noen er små og noen er større – er det veldig forskjellige funksjoner. Derfor er det veldig vanskelig å si at dette er en mal som skal være ved alle lokalsykehus. I regjeringserklæringen er vi veldig tydelige på at vi skal opprettholde den strukturen vi har på lokalsykehus. Vi mener det er viktig, vi mener også at det er viktig for å ivareta de store pasientgruppene som vi mener ikke har fått god nok behandling i dag. Så sier vi at det skal være nærhet til akutt og føde. Men så sier vi samtidig det som jeg hørte i et innlegg fra Kristelig Folkeparti, de sa at det var viktig at vi tok hensyn til ny infrastruktur og nye teknologiske løsninger. Men det er jo ikke det som gjøres i forslaget her. Arbeiderpartiet har nettopp vedtatt sin sykehuspolitikk. Det er den som gjelder. Det er den som gjelder også i det som er lagt frem i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Vi skal gjøre en evaluering, og så komme tilbake. Jeg regner med at det er inspirerende for Senterpartiet og SV å høre fra statsråden at det er

og hvorfor regjeringen legger opp til at innhold i andre typer sykehus, som regionsykehus, universitetssykehus, distriktsmedisinske senter, osv., skal defineres i en forskrift. Hvorfor kunne ikke det blitt definert gjennom en nasjonal sykehusplan her i Stortinget? Det er slik at selv de store sykehusene ikke er like. Jeg kan nevne ett eksempel som jeg kjenner godt, Haukeland sykehus i Bergen, som f.eks. har en veldig spesiell brannskadeavdeling. Om man får en alvorlig brannskade, blir man sendt dit uansett hvor man er i landet. Det er også et lokalsykehus for en stor befolkning, samtidig som mindre sykehus med andre funksjoner er lokalsykehus, slik at dette er forskjellig.

Vi har sett i media at det kan komme endringer også i innholdet i helseforetakene, bl.a. på Vestlandet med Helse Fonna, hvor det kan gjøres justeringer. Det har også statsråden sagt at hun vil se på. Dette ville naturlig kunne hørt inn under en nasjonal sykehusplan. Fredag for kort tid siden uttalte også representanten Kjersti Toppe at det kunne være håp om en nasjonal sykehusplan. Mitt spørsmål til statsråden er: Er det håp om en nasjonal sykehusplan, eller vil regjeringen la være å legge det fram?

skjer. Så vil jeg si at eksemplet med Helse Fonna er veldig spesielt. Er det virkelig slik at Stortinget skal ta mål av seg til å sette grensen for hvor et helseforetak skal være? Det som er saken her, er at Odda kommune og sykehuset der ønsker å komme inn under Helse Bergen. Jeg har sagt at det vurdere. Det vil ikke gi verken befolkningen i Odda eller Helse Fonna noe dårligere helsetilbud. Det er absolutt ikke meningen med det. Det er faktisk nettopp å ta hensyn til at det kommer en ny infrastruktur, en hardangerbro, som vil gjøre at avstanden til Voss og Bergen blir kortere – i hvert fall til Voss – enn f.eks. til Haugesund. Sånn er det vi må innrette oss – ta utgangspunkt også i

Representanten Bent Høie seier at denne saka berre har historisk verdi. Eg er usamd i det. Det er viktig at innbyggjarane som bur i områda som er omfatta av dei vedtaka som enkelte helseføretak har gjort, kan føle seg trygge på at det ikkje forsvinn noko i tida fram til Stortinget skal behandle helseplanen. behandle helseplanen. Den faktiske situasjonen er at dei som får slag og hjarteinfarkt, når sjukehuset på Eid er lagt ned, og det vert det i realiteten ved vedtaket i Helse Førde, kan risikere at dei kanskje må bruke sjukehus etter fire timar, er sjansane for å bli bra svært små. Eg registrerer at representanten Lundteigen frå Senterpartiet seier at han er ombodsmann for befolkninga. Eg vonar då at Lundteigen, og kanskje andre i Senterpartiet, har den same oppfatninga av si rolle her i Stortinget, og at dei då har omsut for alle sjukehusa i heile landet, og at Lundteigen ikkje berre har omsut for sjukehjuset i Kongsberg. Det som no skjer, resulterer i at

Dermed vil ein stå utan det spesialfeltet som dei har, kikholsoperasjonar, det vil kanskje forsvinne ut av landet. Viss det er god sjukehuspolitikk frå regjeringa si side, skjønnar ikkje eg det. Eg vil også seie at helseføretakssituasjonen er slik at dei har skaffa seg enorme utgifter i administrasjon. Det kan ein få vekk viss ein legg ned og

en frustrasjon. De opplever en situasjon der de ikke lenger har hånda på rattet når det gjelder den kanskje viktigste sektoren, og det er for meg et stort paradoks. Nettopp derfor er kanskje et av de viktigste forslagene som diskuteres nå, Kristelig Folkepartis forslag om å legge ned de regionale helseforetakene. Det er ting som har vært

Og så sitter vi her i denne sal og kan ikke engang stemme over de store politiske vedtakene som tas i lukkede rom. Det er utrolig viktig å få tilbake politisk styring over sykehusene, å legge ned de regionale helseforetakene og få en nasjonal styring der en helseminister faktisk er villig til å gå inn og ta tydelige politiske grep, samtidig som en har en desentralisering fordi en gir tilbake mer makt lokalt, der det er politikere som er med og gjør vedtak. Dette er en alvorlig sak fordi den viktigste sektoren ikke er under politisk styring, men det er også en alvorlig sak fordi det dreier seg om demokratiet. Når det fattes vedtak som kan være tøffe, enten det er å flytte på spesialistenheter eller å legge ned sykehus, kan det av og til være riktig. Men da må de som velger å fatte de vedtakene, også måtte stå ansvarlig for vedtakene. Jeg kunne sagt at regjeringspartiene må stå inne for det som er regjeringens politikk, men også de som sitter i styrene, og som tar store grep, burde vært stilt til ansvar. Nettopp derfor er det også viktig at det er politikere som sitter der, som står til ansvar for vedtakene som blir fattet, ikke ansiktsløse byråkrater.

Diskusjonen knytt til akutt- og fødetilbod på lokalsjukehusa er noko heilt anna. Derfor håpar eg at regjeringspartia faktisk sluttar med å argumentere mot lokalsjukehusa med ein argumentasjon om at det går i retning av meir spesialisert behandling – det er det ingen diskusjon om. Men det er diskusjon om ein skal ha gode akutt- og fødetilbod der folk bur. bur. Då er det skuffande å lese avisoppslag etter avisoppslag: Den 13. desember seier representanten Kjersti Toppe at vi må få ein minstestandard for kva eit lokalsjukehus skal innehalde, stikk i strid med det statsråden seier her i dag. Det er like skuffande å lese det representanten Kjersti Toppe seier torsdag den 17. mars: «Dette er vårt Lofoten.» Kva trua SV med viss dei ikkje fekk gjennomslag i Lofoten? Jo, nemleg å gå ut av regjering. Senterpartiet leverer ikkje. Vidare stiller representantane Kjersti Toppe og Geir-Ketil Hansen den 28. mars opp i TV 2 og seier at dei lovar kamp for lokalsjukehusa. Kvar er dei i dag? Vidare seier dei den 14. april at dei godtek ingen sjukehuskutt. Og så avsluttar Per Olaf Lundteigen med å diskusjonen, som òg er knytt til lokalsjukehusa, for dobbeltmoral og spreiing av desinformasjon. Men kvar er Per Olaf Lundteigen no i dag, når debatten går? Når slaget om lokalsjukehusa står, vel han å ikkje vere til stades i salen. Eg la også merke til at ordføraren frå Nordfjordeid valde å forlate salen før vi skal i gang med voteringa. Eg skal avslutte med å sitere med å sitere det Per Olaf Lundteigen seier om Jens Stoltenberg: «Men når hans standpunkt møter folkeviljen, vil han lære at hans kalde, økonomiske resonnement ikke er i samsvar med hva folk opplever som trygghet.» Det er som om eg skulle ha sagt det sjølv, for det er det dette handlar om. Det dreiar seg om at Senterpartiet gjerne kan hevde at dei kjempar distriktas kamp, men der bur ingen i framtida, viss ikkje heilt nødvendige akutt- og fødetilbod er i nærleiken. Senterpartiet har tapt slaget – dei er ærlege på det – men dei burde skamme seg. Bare et par ord til det siste innlegget fra Fremskrittspartiet som er så kritisk til helseforetaksmodellen. Det

Jeg har ikke sett at de har gått imot å avvikle denne modellen heller, men de vil ikke ha det regionale nivå. Og så er det jo også sånn da, til Dale, at representanten Per Arne Olsen vel har uttalt offentlig at man bør definere til det minste nivå hvordan et lokalsykehus skal være organisert. Da vil det – som det vel er sagt – også bety at noen lokalsykehus må legges ned.

det regionale nivå og bare etablere to nivå – det er det som egentlig er forslaget her. Det oppfordrer jeg opposisjonspartiene til å reflektere nærmere over, for det er ingen sammenheng mellom det og det som flere har tatt til orde for, og som også SV er tilhenger av, nemlig å legge de viktige politiske beslutningene om struktur i helsevesenet til en nasjonal helseplan og til Stortinget, til de folkevalgte. Der har foretaksmodellen, sånn som den framstår i dag, en stor svakhet. Men det er ingen sammenheng mellom det og forslaget om å avvikle det regionale nivå. For det regionale nivå som vi har i dette landet, er en stor styrke for spesialisthelsetjenesten og for å utvikle en spesialisthelsetjeneste i et land som er så langstrakt, med så store geografiske forskjeller.

uheldige konsekvenser for utviklingen av spesialisthelsetjenesten dersom vi avvikler det regionale nivå. Det vil bidra til en sentralisering på sikt – det er jeg ikke det minste i tvil om. Det er ingen andre land, verken i Skandinavia eller i Europa for øvrig, som ikke har organisert sitt helsevesen i et regionalt og et lokalt nivå. Vi lever i et land som har et godt velferdssamfunn, og

den medisinske og tekniske utviklingen går fortere og fortere, og det er stadig behov for å endre behandlingstilbud og behandlingsstrukturer. Det er jo til det beste for oss som brukere alt dette handler om – hvordan vi organiserer helsevesenet vårt. Jeg var fylkespolitiker i tolv år i Sør-Trøndelag, og det var den tiden da fylkeskommunen hadde ansvaret for den tiden da fylkeskommunen hadde ansvaret for sykehusene. Den tiden var det lokale sykehusstyrer, som var sammensatt av profesjonelle sammen med fylkespolitikere osv. Når de ikke fikk sykehusbudsjettene til å gå opp, sendte de ansvaret over til fylkeskommunene og fylkestinget. Det var store demonstrasjoner angående manglende ressurser, manglende styring osv. Hva gjorde fylkespolitikerne da? Jo, de rettet nesen sørover mot Oslo, sørover mot Oslo, mot storting og regjering og ba om mer ressurser. Det handlet ingen ting om politisk styring og hvordan vi håndterer helsevesenet vårt. Gjennom de snart ti årene etter at foretaksmodellen kom på plass, har bevilgningene til utbygging av norske sykehus, til psykiatri, til rusfeltet og en rekke områder hatt en formidabel økning. Vi har fått nye bygg, nytt utstyr og flere ansatte, som gjør at kvaliteten på helsetjenestene er langt bedre nå enn de var for ti år siden. For å greie dette videre, skal vi da organisere dette gjennom å legge ned de regionale helseforetakene, flytte kompetanse fra regionene, fra lokale områder, flytte f.eks. lokale brukerrepresentanter, flytte lokale ansatte som er med i styrene som virkelig har kompetanse om eget sykehus, eget område, og som deltar i prosessene for å utvikle helsetilbudet på en god måte? Det har jeg ingen tro på. Regionale styrer er veldig viktige for hvordan vi skal Oslo gjør at vi har enda mindre innflytelse på hvordan dette gjøres. Statsråden og regjeringen har sagt: vi har styringsdokumenter, vi har foretaksmøter, og vi ønsker å ha en generaldebatt i Stortinget, hvor sykehusstruktur og sykehustilbud diskuteres. Det er en god måte for hvordan vi kan håndtere denne debatten i

i denne salen. Vi står til ansvar for våre veljarar. Spesielt står ikkje vi til ansvar for Framstegspartiet, som var ein pådrivar for føretaksmodellen og den marknadstankegangen som kan bety at lokalsjukehusa ikkje får utvikla seg slik som dei elles burde. Dei har vore ein pådrivar for den modellen, og ikkje før

Når det gjeld fødetilbodet, må alle hugsa på at det var Stortinget sjølv som bestemte at det skulle utviklast kvalitetskrav. Det var ikkje eitt parti den gongen som sa at dette skulle tilbake igjen til Stortinget, til denne salen. I grunnen kunne føretaka sjølve bestemt om fødeavdelingar skulle bli lagde ned eller bli oppretthaldne. No er det trass alt blitt ei regjeringssak og ei avgjerd der. Eg har heller ikkje sett at eit einaste parti i kjølvatnet av det som skjedde på Nordfjordeid, har sagt at dei vil reversera vedtaket, at dei vil innføra fødeavdeling. Klagen og kritikken går på at dei ikkje fekk lov til å vera med og bestemma det sjølve. Det skulle i denne salen. Så er det også slik at det er berre Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet som i dag stemmer for at dette skal utsetjast til nasjonal sjukehusplan kjem. Når det gjeld representanten Ropstad, er det veldig interessant det han snakkar om i høve til politisk styring. Så skal eg òg skryta av regjeringa: Vi har trass alt no fått til meir politisk styring innanfor dei kanalane som

kan skapa større politisk forankring av politiske avgjerder og endringar i både akutt- og fødetilbod. Det var representanten Geir-Ketil Hansens innlegg som fikk meg til å be om ordet, fordi jeg ble litt forvirret. Representanten Hansen sa at også SV var for å få en nasjonal helse- og sykehusplan behandlet i Stortinget. Det var jeg for så vidt klar over, og det var det som også var utgangspunktet da jeg i mitt innlegg sa at det kun var Arbeiderpartiet som ikke var for en sånn løsning. Det som forundrer meg, er hans helhjertede forsvar for direktørene i de regionale helseforetakene. Hvis det er

sykehus skal kunne tilby, slik at en som innbygger vet at hvis en kommer på et lokalsykehus, er det et minimum at en har den typen tilbud på det sykehuset. Så regner jeg med at også representanten Hansen mener at de styrene og lederne som er på sykehusene, altså i de lokale helseforetakene, er de som er best egnet til å ikke minst fordi de er nær der både pasientene og de ansatte er. Men det jeg står igjen med som det store spørsmålet når det gjelder SVs modell, er: Hvilke oppgaver er det igjen til de godt betalte direktørene i de regionale helseforetakene? Meg bekjent har ikke de behandlet en eneste pasient, og de er i hvert fall ikke nær de ansatte. Det er jo historien som man møter hele veien når en er i kontakt med dem som jobber i helsetjenesten, at dagens styringsmodell representerer et forsøk på fjernstyring av svære virksomheter. De lokale helseforetakene som en på fjernstyring av svære virksomheter. De lokale helseforetakene som en har i Norge i dag – om lag 20 i tallet – representerer alle sammen store virksomheter med mange ansatte, en veldig profesjonell ledelse og gode kompetente styrer. De har ikke behov for at direktører i de regionale helseforetakene skal sitte og tolke nasjonale signaler fra statsråden eller fra Stortinget, det er de utmerket godt i stand hvis de signalene er tydelige nok og forankret i en nasjonal helseplan, som er behandlet her i salen. Det som jeg rett og slett lurer på, er: Hva er SVs oppgaver til direktørene i de regionale helseforetakene? Etter å ha høyrt innlegget til representanten Asphjell kan ein vel kanskje oppsummere debatten slik at mens Arbeidarpartiet gjerne vil ha sjukehusdirektørar der ute, føretrekkjer Framstegspartiet sjukehuslegar. Og det er Etter å ha høyrt innlegget til representanten Asphjell kan ein vel kanskje oppsummere debatten slik at mens Arbeidarpartiet gjerne vil ha sjukehusdirektørar der ute, føretrekkjer Framstegspartiet sjukehuslegar. Og det er jo det det heile dreier seg om. Når argumentasjonen vert så varierande som han vert frå dei ulike regjeringspartia i dag, er det merkeleg. Arbeidarpartiet som gjer at ein legg ned lokalsjukehus, mens representanten Toppe, som eg skjønnar har ein vanskeleg dag, hevdar at det er marknadstankegangen som ligg til grunn for at lokalsjukehusa no forsvinn. Då er det jo slik at viss det var marknadstankegangen som låg til grunn for at lokalsjukehusa forsvinn, kunne jo berre Senterpartiet stemme for Framstegspartiets alternative statsbudsjett der ein styrkjer dei regionale helseføretaka, slik at dei i alle fall hadde økonomi

Når kompetansemiljøet på Nordfjordeid er vekk på grunn av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, er det ikkje mogleg å reversere det. Det er jo det som gjer at toget går i dag, og det er det eg hadde ønskt at Senterpartiet faktisk tok inn over seg. Så det er heilt rett som representanten Toppe kort oppsummerer med: I lokalsjukehuskampen er det berre to parti ein kan stole på. Det er Kristeleg Folkeparti, og det er Det er synd at ikkje Senterpartiet slår følgje. Geir-Ketil Hansen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Bent Høie stilte spørsmål om hva de regionale direktørene skulle gjøre,

har en regional organisering, en regional planleggingskompetanse og en regional styring av spesialisthelsetjenesten. Begrunnelsen for at vi bør ha det er at landet er så forskjellig, det er så kontrastfylt og det er så mangeartede utfordringer vi har, i forhold til distrikt ikke minst. Til sammenligning kan man jo vise til samferdselssektoren som har en regional organisering, ikke minst innenfor veisektoren, med regionveidirektører med planleggingskompetanse, fordi det har en stor kvalitet og en stor verdi å ha organisert virksomheten på regionalt landsdelsnivå. Det er også tilfellet når det gjelder spesialisthelsetjenesten. Dette er

Jeg kan i hvert fall berolige med at tre av de fire direktørene for de regionale helseforetakene er utdannet leger og har absolutt stått i pasientbehandling, så de vet hva de snakker om. Så har det vært spørsmål om dette med de regionale helseforetakene og hvorfor det er viktig. Nå svarte jo Geir-Ketil Hansen veldig godt på det. det. Det er jo faktisk slik at det ikke er mulig å sitte i Oslo og gjøre fordelinger og bestemmelser om helseforetak i andre deler av landet. Det er så forskjellig. Nettopp det at man har en inndeling som gjør at man har tilstrekkelig befolkningsmengde så man både kan gi spesialiserte tjenester og nære tjenester, er viktig. Jeg vil bare henvise til Nasjonal helse- og omsorgsplan, der det står hva som er et minimum på disse lokalsykehusene. Så var det også en i debatten som snakket om at hvis man fikk slag eller hjerteinfarkt i Nordfjord, ville det være fire timer for dem om hørte til Nordfjord sjukehus, til Førde. Det kan godt hende du kan behandles for slag, i hvert fall få den første behandling, på et lokalsykehus. Det skal du i så fall også få i fremtiden. Men har du

lidelse. Derfor er det jo så viktig at vi også har en ambulansetjeneste som spiller sammen med både lokalsykehus og de mest spesialiserte tjenestene, og som får oss dit hvor vi kan bli friske. Det er ikke sånn at hvis du virkelig blir syk, velger du det nærmeste sykehuset. Du velger det sykehuset – heldigvis er det gjerne noen andre som velger for deg – hvor du kan bli frisk, og hvor du kan få den beste hjelpen. Så er det sånn at over 70 pst. av alle dem som kommer akutt inn på et sykehus, kommer for en indremedisinsk lidelse. Det er nettopp derfor det er viktig at disse tjenestene må være gode på alle lokalsykehus. Der må du ha spesialister, og så må vi bygge ut et tilbud som er desentralisert, til befolkningen, slik at de skal slippe å reise lange veier for å

uansett hvilken stilling de har. Om en er renholder, hjelpepleier, lege eller direktør, gjøres det hver eneste dag en fabelaktig jobb. Representanten Dale var veldig opptatt av lønnen til de fire direktørene i de regionale helseforetakene. Da fylkeskommunene hadde ansvaret, var det 19 direktører, og det var store helseadministrasjoner i hvert fylke. Jeg vil si at den fordelingen vi har fått nå, har bidratt til mindre administrasjon. Oppgavene til disse helsedirektørene handlet om fordeling innenfor én og samme region, for tidligere opplevde vi at de ulike sykehusene konkurrerte om å bygge opp ulike eller like tilbud til sin befolkning, tilbud som senere ble overflødige. Alle helsetilbud er i endring. endring. Vi ser at tilbudene endres nesten fra dag til dag, ikke minst fra sengeposter til dagbehandling. Infrastrukturen og avstanden til helsetilbudet forkortes etter hvert som både veier og bruer stadig blir bygd i landet vårt. Det er også viktig at ulike universitetssykehus har ulike spesialisthelsetjenester og ulike tilbud.

i den regionen. Dette gjelder også distriktspsykiatriske sentre og tilbud om rusbehandling. Vi kan ikke ha som fasit at et lokalsykehus, et sykehjem eller hva det enn kan være, skal ha like tilbud hvor du enn bor i landet. Det handler om å bygge opp dette på en annen måte. Jeg tror, når vi ser hvilke sykdommer som vil vokse i omfang framover, livsstilssykdommer og kroniske sykdommer, at det handler om å bygge opp lokale tilbud som folk har nærhet til, som skaper trygghet, og som kan gi god tilgjengelighet for de lidelser de har. I forbindelse med den nye folkehelseloven som er presentert: Hvordan skal vi forebygge bedre, bidra til gode helsetilbud og gode tjenester i alle landets kommuner?

det er ikke ti år med erfaring og modning som har ført til at disse to partiene har dette standpunktet. Fra høsten 2001 og i fire år framover satt disse to partiene i regjering. Det ene partiet hadde statsministeren, det andre hadde finansministeren. Og de tok én periode hver med å ha helseministeren. Men i løpet av fire år kom det ikke noe forslag om å legge ned de regionale helseforetakene. Derfor synes jeg at argumentet for at denne debatten bare har historisk verdi, ikke er så sterkt. Veldig kort: En modell har ikke noen selvstendig verdi. Den skal bare være et redskap for å gjennomføre ønsket politikk. Jeg har et helt åpent sinn for andre og bedre forslag til å organisere spesialisthelsetjenesten på, men så langt har jeg ikke sett forslag som jeg tror mer på. Betyr det at jeg er fornøyd med alt slik det er i dag? Nei, det gjør det ikke. Jeg opplever ting i min egen region, i mitt eget fylke, som jeg ikke er fornøyd med. Ofte tar jeg det opp. Noen ganger har vi fått gjennomslag og fått ting endret. Jeg er ikke fornøyd med de musikalske ferdigheter i utøvelsen av dette i alle henseender, men vi arbeider med det ved å forbedre styringen. Det er ikke alltid riktig å lage en ny reform og komme med en ny modell. En bør ofte og må ofte reparere innenfor en modell som har kvaliteter i seg selv.

som forsøkte seg med å si at etter at man fikk de regionale helseforetakene, ble byråkratiet plutselig mye mindre enn det man hadde før, og det ble mye billigere. Jeg tror definitivt ikke at det er opplevelsen hos folk flest og hos dem som jobber på de forskjellige sykehusene. Så jeg føler vel at representanten Asphjell har en litt annen virkelighetsoppfatning enn det de fleste andre har når det gjelder hvordan de regionale helseforetakene nå fungerer. Jeg synes definitivt ikke de fungerer veldig bra. Man opplever at det er mange konflikter mellom de enkelte sykehusene og de regionale helseforetakene. Så jeg reagerte ganske kraftig da jeg hørte hvor fantastisk dette var. Vi vet jo at etter at man hadde opprettet de regionale helseforetakene, ble folk sendt på studiepermisjon med ganske gode lønninger, fordi man ikke hadde noe fornuftig man kunne sette dem til å gjøre. Men det er interessant å registrere at partier som egentlig er for forslaget, i dag kommer til å stemme imot forslaget, som f.eks. Senterpartiet, som sier at de er opptatt av lokalsykehusene og bevaring av lokalsykehusene. Men i dag vil de til fulle vise at de er opptatt av det stikk motsatte.

Grunnen til at Bondevik II-regjeringen ikke gjorde om på den reformen – selv om Høyre hadde en annen modell og Kristelig Folkeparti en helt annen modell, for de var da fortsatt for en fylkeskommunal drift av sykehusene – var jo nettopp at et bredt flertall i Stortinget hadde vedtatt en modell som det var svært krevende å gjennomføre, som kanskje var en av årsakene til at Stoltenberg I-regjeringen ble båret ut av regjeringskontorene, men som i hvert fall daværende helseminister Dagfinn Høybråten gjennomførte i den tradisjonen som er i Norge, at store reformer som igangsettes, snus det ikke opp ned på, selv om man kort tid etterpå får et regjeringsskifte. Nå er det imidlertid gått ti år, og det er noe annet vesentlig som også har skjedd. I denne innstillingen vil man kunne lese at Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har merknader som går i nøyaktig samme retning. retning. Da har ikke presidenten registrert at flere har bedt om ordet til sak nr. 16. Da er Stortinget klart til å gå til votering.

vi må

sak
president,

Det voteres over resten av I samt II og III. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag, forslagene nr. 1–3, fra Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og